Forslaget går ut på at saken utsettes og sendes tilbake til Stortingets presidentskap, bl.a. for å kunne foreta en juridisk vurdering av Grunnloven § 97. Presidentskapet har fått svært kort tid til å behandle denne saken, og som man ser av proposisjonen, er man i betydelig grad usikker på om dette er i samsvar med 97. Vi mener at i alle saker som behandles i Stortinget, skal man bruke det som er nødvendig av tid for å få en forsvarlig behandling, og eventuelt bruke de instrumentene som Stortinget har, med høring og å innhente innspill, osv. Vi mener at i denne saken har presidentskapet brukt for kort tid. Saken kom svært sent til Stortinget. Derfor har Fremskrittspartiet da fremmet dette forslaget, som vi forslaget, som vi for øvrig også fremmet i presidentskapet, og som ble nedstemt. Representanten Øyvind Korsberg har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er da et samlet presidentskap, minus Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg, som til. Det er da et samlet presidentskap, minus Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg, som går for at saken bør behandles. La meg bare kort si hva saken gjelder. Dette gjelder altså ikke det nye pensjonssystemet for stortingsrepresentanter innvalgt fra i fjor høst, men det gjelder tilpasninger i de eksisterende ordningene til de vedtatte endringene i folketrygden. Disse tilpasningene gjøres gjeldende fra 1. januar 2011, når hovedtrekkene, som kjent, i pensjonsreformen også trer i kraft. Både av hensyn til beregning av pensjonene og av hensyn til likhet mellom de ulike gruppene er det viktig at alle tilpasningene i det nye regelverket trer i kraft samtidig. Så til spørsmålet om forholdet til Grunnloven § 97. Det er jo ikke noe nytt spørsmål, for det var vurdert i den opprinnelige Pensjonskommisjonen for folketrygden generelt, altså under navnet Johnsen-utvalget. Det ble vurdert av det utvalget som det forrige storting nedsatte for å vurdere de særskilte pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og Høyesterett, og det har blitt vurdert i denne sammenheng av departementet med råd fra Justisdepartementets lovavdeling, og til syvende og sist nå av Presidentskapet. Så etter vår oppfatning foreligger det altså et godt beslutningsgrunnlag for å ta et standpunkt til dette spørsmålet ut fra de råd som foreligger. Flere har ikke bedt om ordet til utsettelsesforslaget. Presidenten tror det er greit at vi går til direkte votering, uten å la det ringe særlig lenger. Votering over utsettelsesforslag Forslag nr. 1, fra

ikke så lang. Stortinget vedtok den 10. desember i fjor en anmodning til regjeringen om å fremme forslag til ny lovgivning om pensjonsordninger for stortingsrepresentanter, regjeringens medlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmann og riksrevisor basert på de retningslinjene som ble trukket opp i Johnsen-utvalgets innstilling, Dokument nr. 19 for 2008–2009. Dette utvalget, hvor for øvrig alle partier var representert, foreslo nye pensjonsordninger for disse gruppene basert på hovedlinjene i ordningen for ny folketrygd, også kalt modernisert folketrygd. De nye ordningene skulle gjøres gjeldende for nye stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fra for høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor som utnevnes etter 1. januar 2011. Regjeringens proposisjon inneholder ikke i denne omgang noe forslag til nye pensjonsordninger for stortingsrepresentanter eller statsråder. Arbeidsdepartementet har tidligere varslet en egen proposisjon om dette i løpet av våren 2011. Jeg må legge til at jeg da regner med at regjeringen leverer denne proposisjonen i så god tid at det vil være mulig å få en god og forsvarlig behandling av saken i vårsesjonen 2011. Proposisjonen inneholder heller ikke noe lovforslag om pensjonsordning for riksrevisor. I dag fastsettes lønn og pensjon for riksrevisor av Stortingets presidentskap. Presidentskapets flertall foreslår at riksrevisors pensjonsordning fastsettes i lov om Riksrevisjonen, med de samme tilpasninger som foreslås for de andre pensjonsordningene – altså en innarbeidelse av dette i loven og ikke en behandling av presidentskapet i hvert enkelt tilfelle. I innstillingen foreslås det i hovedsak to typer lovendringer. For det første: første: De særlige pensjonsordningene for høyesterettsdommere, sivilombudsmann og riksrevisor avvikles med virkning for dem som utnevnes etter 1. januar 2011. Nye høyesterettsdommere vil med andre ord være medlemmer av Statens pensjonskasse og få sin pensjon beregnet etter de alminnelige reglene om offentlig tjenestepensjon. Disse gruppene vil altså fra da av ha samme opptjeningstid og beregningsmåte for alderspensjon som gjelder for andre offentlig ansatte. For det andre foreslås det tilpasninger i de eksisterende ordningene til de vedtatte endringene i folketrygden. Dette gjelder også stortingsrepresentanter og statsråder. Disse tilpasningene gjøres gjeldende fra 1. januar 2011, da hovedtrekkene i den omfattende pensjonsreformen som kjent trer i kraft. Både av hensyn til beregning av pensjonene og av hensyn til likhet mellom de ulike gruppene er det viktig at tilpasningen til det nye regelverket trer i kraft samtidig. Tilpasningene består i at det innføres levealdersjustering av de opptjente rettigheter – det er som kjent også et hovedelement i modernisert folketrygd. Det vil altså si at den enkeltes alderspensjon justeres for endringer i befolkningens gjennomsnittlige levealder. Dersom den generelle levealder øker, kan dette medføre en lavere årlig alderspensjon. Det innføres derfor også en individuell garanti som skal sikre at man minimum får utbetalt det man har opptjent rett til. For stortingsrepresentanter med full opptjening innen eksisterende ordning garanteres altså en pensjon på 66 pst. av den godtgjørelsen som er fastsatt når alderspensjonen tas ut. Det foreslås også nye regler for regulering av pensjonen. Dette omtales ofte i forbindelse med modernisert folketrygd som indeksering. I alle de nevnte særordningene fastsettes i dag pensjonen som en viss prosentandel av den til enhver tid gjeldende godtgjørelsen for vervet eller stillingen, dvs. at hvis stortingsrepresentantenes godtgjørelse øker, øker pensjonerte representanters pensjon tilsvarende. Det er altså dagens ordning jeg her beskriver. Etter det nye systemet skal pensjoner under utbetaling hvert år reguleres i takt med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet, og så fratrekkes slik dette er vedtatt for alderspensjon i folketrygden og alminnelige, offentlige tjenestepensjonsordninger. Justisdepartementets lovavdeling har vurdert om en slik omlegging vil være i strid med tilbakevirkningsbestemmelsen i Grunnloven § 97. For personer som allerede mottar alderspensjon konkluderte Lovavdelingen med at spørsmålet byr på betydelig tvil og anså det usikkert hva konklusjonen ved en eventuell rettslig prøving vil bli. Lovavdelingen var allikevel «tilbøyelig til å anta at de aktuelle endringene må antas å gå klar av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 hensett til de tungtveiende, samfunnsmessige hensynene som ligger bak de senere års gjennomgåelse av pensjonssystemene, og de uheldige sidene ved å anta at de aktuelle, særskilte gruppene har en særlig beskyttet posisjon». Sagt på en annen måte mener Justisdepartementet at Lovavdelingen er i stand til å ta standpunkt til følgende spørsmål: Skal våre pensjoner reguleres etter særskilt gunstige regler i forhold til folketrygden for øvrig, eller skal de ikke det? Det er det grunnlovsspørsmålet egentlig gjelder. Så kan man nok også hevde at stortingspensjonen har en særskilt posisjon, fordi det er fastsatt ved lov hvordan pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal reguleres. For folketrygden var det jo slik at dette skulle skje gjennom årlige trygdeforhandlinger. Man kan diskutere om begrepet «forhandlinger» i realiteten dekker, men det var i alle fall ikke fastsatt noen årlig regulering. Så slik sett er det en viss forskjell, men spørsmålet er om man da vil prosedere på at den forskjellen skal være til de folkevalgtes gunst på bekostning av andre grupper. Jeg mener altså nei, og det er et stort flertall i presidentskapet som står bak det. Vi mener også at en historisk sammenlikning mellom den årlige lønnsveksten for stortingsrepresentanter, dommere, høyesterettsdommere og den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet viser at disse gruppene ikke har grunnlag for å forvente en vesentlig høyere lønnsutvikling enn i samfunnet ellers. Det skal heller ikke ses bort fra at den nye reguleringsordningen kan innebære et begrenset tap sammenliknet med dagens system. Et begrenset tap for mindre grupper kan imidlertid ikke få noen konsekvenser for gjennomføringen av generell lovreform. Det har også Høyesterett uttalt i forbindelse med plenumsdommen når det gjaldt rederibeskatningen, som jo som kjent var under dissens. I grunnlovsøyemed må det legges betydelig vekt på at disse gruppene har fremskutte posisjoner i det norske styringssystemet, og at det i et samfunnsmessig perspektiv ville være uheldig om vi, inkludert regjeringens medlemmer, skulle beholde en gunstigere regulering av våre tjenestepensjoner enn det som vil gjelde for befolkningen for øvrig. Dette vil kunne undergrave aksepten for den nødvendige og svekke hele pensjonsreformens legitimitet. I tillegg vil en slik særbehandling av begrensede grupper i sentrale posisjoner kunne svekke den generelle tilliten til styringssystemet – til politikken, om man vil si det på en annen måte. Flertallet i presidentskapet mener på denne bakgrunn at innføringen av de nye reguleringsreglene ikke er i strid med Grunnloven § 97, og jeg anbefaler

vi ikke har hatt forsvarlig tid til å behandle denne saken, skal jeg redegjøre litt nærmere for hvorfor vi mener at den burde ha vært utsatt. Den er altså behandlet i presidentskapet – og i presidentskapet er det to partier som ikke er representert. Den er ført rimelig fort opp på kartet, og da er det også begrenset mulighet for de partiene som ikke er representert i presidentskapet, til å gå inn i saken. Så må man også, som jeg sa i

Lovavdelingen i Justisdepartementet. Det finnes mange gode og kompetente juridiske miljøer for å vurdere flere sider av denne saken. Det har man altså ikke fått muligheten til. For ett år siden fikk regjeringen i oppdrag å komme med denne saken. Man brukte ett år. Og da kan man jo stille spørsmålet: Hvorfor bruker man ett år? Er det fordi saken er vanskelig, eller er det fordi man har – kanskje man kan bruke uttrykket – «somlet» i regjeringen? Hvis saken er vanskelig, er det jo all grunn for Stortinget til å bruke lengre tid på å behandle saken. Hvis det andre er tilfellet, at man har brukt ett år fordi man har somlet i regjeringen, synes jeg det er all grunn til å stille spørsmål ved den måten regjeringen har behandlet denne saken på. I neste sak ser man også at en samlet opposisjon retter kritikk mot regjeringen for at man har kommet for sent med saken til Stortinget, den ble altså

Stortinget er jo ikke uvant med å behandle saker som berører Grunnloven. Det har man gjort en rekke ganger, og det har man gjort med blandet suksess, for å si det forsiktig. Tre ganger dette året har man kommet i konflikt med Grunnloven. Det burde tenker seg nøye om når advarslene fra Lovavdelingen i Justisdepartementet tross alt er så klare som de er. Jeg tror ikke Stortinget er tjent med å komme i konflikt med Grunnloven, for å si det sånn, en fjerde gang. Det tror jeg ikke Stortinget er tjent med, og man burde ha brukt mye mer tid for å få utredet det spørsmålet.

Andersen får ordet, vil presidenten gjøre oppmerksom på at datasystemet for øyeblikket ikke fungerer. Det vil si at vi heller ikke har taletid, og at vi kjører manuell taleliste. Jeg ba om ordet bare for å gi min tilslutning til saksordførerens grundige gjennomgang av forhistorien og grunnlaget for å fatte en beslutning i saken vi nå har til behandling. Det er det på ingen måte er første gang vi diskuterer disse spørsmålene. Stortinget har faktisk bedt regjeringen om å legge fram et forslag om tilpasning fordi vi har avviklet det gamle pensjonssystemet for stortingsrepresentanter, og av det følger det at det er naturlig med overgangsordninger. Forholdet til Grunnloven er diskutert i de to ganger Johnsen-utvalget – og i innstillingen slik den nå foreligger. Det ville være ganske spesielt hvis det skulle bli tolket som et brudd med Grunnloven at Stortinget vedtar at Stortingets pensjoner skal reguleres som for andre mennesker. Vi griper altså ikke inn i pensjonsgrunnlaget eller pensjonsrettighetene til tidligere stortingsrepresentanter, men vi fatter et vedtak om hvordan pensjonene skal reguleres i tiden framover. Det er omtalt i dokumentet at noen kan oppfatte det som om det er til ugunst at en ikke bare følger stortingsgodtgjørelsens utvikling, men får en pensjonsregulering som altså seg på en lønnsutvikling minus 0,75 pst. Det er ikke nødvendigvis sånn at det hvert eneste år kommer til å være en dårligere lønnsutvikling for stortingsrepresentantene, enn si det gamle systemet. I et eventuelt tilfelle der Stortingets godtgjørelse ikke heves, men det er et positivt lønnsoppgjør, vil altså Stortingets pensjonister likevel få en positiv utvikling. Det betyr at vi går over til et system som er mer forutsigbart og sammenliknbart med det systemet som gjelder for andre pensjoner. Det har vært viktig for presidentskapet å diskutere grundig både ved denne anledningen og, som sagt, ved forholdet til Grunnloven. Jeg synes det er grunn til å understreke at når et så bredt flertall bak innstillingen fra presidentskapet konkluderer med at vi føler at vi er på trygg grunn i forhold til Grunnloven, så er det nettopp med utgangspunkt i at det ville oppfattes som urimelig hvis en skulle hevde at Stortingets representanter har et enn det som gjelder for befolkningen for øvrig. Det ligger altså til grunn for presidentskapets anbefaling, som jeg da, i tillegg til saksordføreren, anbefaler at vi støtter. Det er støtter. Det er nå et år siden Stortinget fattet de anmodningsvedtak som ga regjeringen i oppdrag å fremme forslag til ny lovgivning for pensjonsordningene til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmann og riksrevisor. Regjeringen har derfor hatt god tid til å forberede de nødvendige lovendringene som må være på plass før 1. januar 2011. Dagens sak ble fremmet av regjeringen den 19. november, og presidentskapet og arbeids- og sosialkomiteen måtte avgi innstilling i løpet av to og en halv uke, slik at Stortinget skulle kunne behandle Folkeparti mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen fremlegger saker for Stortinget med så knapp tidsfrist. Som saksordføreren forutsetter jeg at regjeringen fremmer den bebudede lovproposisjonen om nye pensjonsregler for stortingsrepresentanter med lengre tidsmarginer, slik at Stortinget har mulighet til en mer forsvarlig saksbehandling. Så til Grunnloven § 97. Kristelig Folkeparti stilte allerede i Stortingets pensjonsutvalg spørsmål ved grunnlovsvernet og mente at dette burde avklares nærmere. Lovavdelingens vurderinger, som er gjengitt i proposisjonen, styrker oppfatningen av at det er stor usikkerhet rundt dette. Det er alvorlig når Lovavdelingen uttaler:

For vår del er vi tilbøyelig til å anta at de aktuelle endringene må antas å gå klar av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 hensett til de tungtveiende, samfunnsmessige hensynene som ligger bak de senere års gjennomgåelse av pensjonssystemene, og de uheldige sidene ved å anta at de aktuelle, særskilte gruppene har en særlig beskyttet Høyesterett har i løpet av kort tid avsagt kjennelser i tre forskjellige saker der Stortinget har vedtatt lover som i ettertid har vist seg å være i strid med Grunnloven § 97. Lovavdelingens uttalelser i den foreliggende sak gir uttrykk for en enda sterkere tvil enn hva tilfellet var i de tidligere sakene. Kristelig Folkeparti mener at det derfor ville vært en fordel om Stortinget hadde bedt om om Høyesteretts vurdering i forkant av lovbehandlingen. Dette har vi imidlertid ikke fått gehør for. Siden Lovavdelingen til tross for sin tvil konkluderer som den gjør, har Kristelig Folkeparti funnet det vanskelig ikke å legge deres konklusjon til grunn. Vi er enig i at det ville være vanskelig å forsvare dersom de grupper som er skulle ha en særlig beskyttet posisjon i forhold til andre grupper med tjenestepensjonsordninger. Dersom det i ettertid viser seg at Stortinget igjen har handlet i strid med Grunnloven, bør det i så fall også få følger for enkelte andre grupper med

ryddet opp og får sammenlignbare prinsipper for stortingsrepresentantenes pensjon og andres. Det gjelder også tilpasningene av den gamle ordningen, som sjølsagt skal følge de samme reglene som andre tjenestepensjoners tilpasning. De andre tjenestepensjonene ble behandlet i Stortinget i vår. vår. Da var også grunnlovsspørsmålet oppe til behandling, og det ble konkludert på samme måte som med stortingspensjonenes vern ifølge Grunnloven. Den gangen var det et bredt flertall som sluttet seg til de endringene som ble gjort i for andre grupper. Derfor er det en sjølsagt ting at Stortingets pensjoner må reguleres og endres på samme måte som andre tjenestepensjoner har blitt, etter at folketrygdens ordninger også er blitt forandret. Det er helt umulig å tenke seg en situasjon der Stortingets pensjoner, regjeringens pensjoner og andre av de beste pensjonsordningene i landet skulle ha et bedre vern ifølge Grunnloven enn andre pensjoner, og at vi sjøl av eget tiltak skulle beskytte våre egne pensjoner mer enn vi beskytter andre folks pensjoner. Jeg er glad for de endringene som vi nå gjør. Jeg ser fram imot de endringene som vi også skal gjøre i framtidig pensjon. Et av ankepunktene når SV ved mange anledninger også har vært kritisk til forhøyelse av anledninger også har vært kritisk til forhøyelse av stortingslønn, har jo vært at vi på en måte har sett på hele pakken av lønn og pensjon sammen. Vi har sett at stortingsrepresentanter har hatt en urimelig god ordning i forhold til andre grupper. Nå får vi et pensjonssystem som blir godt tilpasset både den gamle ordningen og forhåpentligvis den nye ordningen. Den blir en mer ren

I den første meldingen om modernisert folketrygd, som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen, hvor jeg var en av avsenderne, skrev vi også inn et ganske forsiktig avsnitt hvor vi antydet at det var naturlig at Stortinget ville følge dette opp, for det ville ikke være passende, kanskje, at en regjering foreslo endringer i Stortingets pensjonssystem – heller ikke for regjeringens del. Så gikk prosessen videre, og Stortingets presidentskap nedsatte i forrige periode et utvalg for å følge dette opp. Så det har vært en viss kontinuitet og en logikk i dette. dette. Det er riktig at forandringene må følge en modernisert folketrygd, og derfor er det også viktig at disse bestemmelsene endres nå. Så til spørsmålet om presidentskapet har hatt for liten tid. Vel, de to stridsspørsmålene som har vært opp her, er levealdersjustering og indeksering, altså lønnsutvikling minus 0,75 pst. Dette er indeksering, altså lønnsutvikling minus 0,75 pst. Dette er de to hovedelementene i modernisert folketrygd. De har vært vurdert av jurister på høyeste nivå da folketrygden ble gjennomført og utredet. Det har vært høringer om det. For Stortingets del var det gjenstand for en utredning der alle partier var representert, også de som ikke er representert i presidentskapet nå – så de har vært med på den vurderingen. alle partier var representert, også de som ikke er representert i presidentskapet nå – så de har vært med på den vurderingen. Det var da bare Fremskrittspartiet som hadde en annen oppfatning. Det skal ikke jeg kommentere, for Fremskrittspartiet har hatt en annen oppfatning av reguleringen av folketrygden fra første stund av. Så kan man si at den årlige reguleringsindeksen har det forrige storting vedtatt. Når Stortinget først har vedtatt det, kan man jo diskutere om det da vil være naturlig for Stortinget selv å si at nei, for oss skal det være en annen regulering.

for tidligere stortingsrepresentanters og tidligere regjeringsmedlemmers pensjoner, eller ønsker vi det ikke? Det burde være et overskikkelig spørsmål å ta standpunkt til tatt i betraktning at saken også har vært utredet gjennom to og et halvt år bare hva gjelder stortings- og regjeringsmedlemmers pensjoner.

neste sak. La meg i den forbindelse bare få lov til å minne om at det mellom disse sakene er en viss sammenheng, og at det var nødvendig for oss å få et vedtak knyttet til den offentlige tjenestepensjonsordningen som ble vedtatt i juni, før vi kunne komme videre med denne saken. Jeg har som sagt merket meg behovet for at man skal få bedre tid til å behandle neste sak, som også inneholder mange krevende saker som skal vurderes, bl.a. aldersgrense for uttak, overgangsordninger i forhold til tidlig uttak osv., og om man skal ha en innskuddsbasert eller ytelsesbasert ordning, som er teknisk krevende vurderinger som vi har begynt å jobbe med. Men som sagt har jeg registrert behovet for å få bedre tid når neste sak kommer til Stortinget. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Det anses vedtatt. Representanten Kari Henriksen får ordet som første taler på vegne av sakens ordfører, Anette Trettebergstuen. Arbeids- og sosialkomiteen har behandlet endringer for noen særlige pensjonsordninger, som i hovedsak følger prinsipper i lov om Statens pensjonskasse. Dette gjelder regjeringsadvokaten, leder i Arbeidsretten, ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett. Videre har komiteen behandlet endringer i pensjonsordningen for ledsagere i utenrikstjenesten. Endringene går ut på at regulering av alderspensjon under utbetaling for alle disse gruppene, foretas – for å bruke et populært politisk uttrykk her – som for folk flest fra 1. januar 2011. For levealdersjustering, individuell garanti, opptjeningstid og pensjonsalder har det imidlertid vært behov for litt forskjellige tilpasninger. Regjeringsadvokaten og leder av Arbeidsretten – utnevnt etter nyttår – vil omfattes av den ordinære offentlige med levealdersjustering og individuell garanti. Det er bare særreglene om opptjeningstid som beholdes, og da kun for dem som er i jobb før nyttår. Dansere og sangere får også levealdersjustering som i Statens pensjonskasse, men beholder sin pensjonsalder, og den individuelle garantien tilpasses de særskilte opptjeningsreglene deres. For ledsagere i utenrikstjenesten beholdes særregler for rett til pensjon, opptjeningstid og ytelse som nettoordning uten samordning. For å følge opp disse tilpasningene til ny alderspensjon i folketrygden anbefaler jeg herved de lovendringer som er foreslått i lovvedtak nr. II, VI, VII og VIII, omhandlet i innstillingen fra arbeids- og

der man får oversendt en sak som blir sendt til en komité, og der man får under én uke på å lese og sette seg inn i saken. Så hører jeg at administrasjonen, de som jobber med dette, sier at dette er enkle justeringer – ikke det store politiske i det. Det er godt mulig, men jeg minner om at komiteen sendte et brev til presidentskapet den 1. desember i år, der det står at man har merket seg at det ikke fremgår klart av proposisjonen om de foreslåtte tilpasningene innebærer realitetsendringer eller bare er rent tekniske tilpasninger til det nye alminnelige pensjonsregelverket. Det var også begrunnelsen for at presidentskapet deler av proposisjonen til behandling i fagkomiteen. Hvis det ikke går klart frem av proposisjonen, og det er begrunnelsen for at man sender det over til en fagkomité, samtidig som fagkomiteen ikke får mulighet til å lese innholdet og sette seg godt nok inn i saken, men bare blir fortalt at dette har ingen realitetsendringer, synes jeg med respekt å melde det er en dårlig måte å ivareta demokratiet på. Jeg synes at den beste måten demokratiet kan ivaretas på, er at den enkelte representant får mulighet til å sette seg inn i de sakene man behandler, før man fatter vedtak. Det er begrunnelsen for at Fremskrittspartiet har valgt å ikke gå inn i denne saken, men at vi stemmer imot innstilingen slik som den foreligger. Flere har ikke bedt om ordet i sak nr. 3. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

Flere opplysninger lagres, og det blir stadig enklere å søke i lagrede opplysninger. Å verne om personvernet betyr ikke at vi skal snu klokka tilbake. Det er sikkert sagt fra denne talerstolen før, men jeg sier det igjen: Internett er kommet for å bli. Fordelene ved å kunne levere selvangivelsen elektronisk, søke om lån i nettbanken, eller bruke Kreftregisteret, for å nevne noe, er store for den enkelte og gir samtidig store samfunnsmessige gevinster. Ut fra en rekke gode formål er det nødvendig å lagre og dele personopplysninger. Ethvert nytt inngrep må imidlertid være forholdsmessig og basert på en helhetlig konsekvensvurdering. Departementet advarer mot at rene effektiviseringshensyn og mindre presserende problemer forsøkes løst ved å sette personvernet til side. Det er en vurdering en samlet komité slutter seg til. Datalagringsdirektivet er omtalt i Datatilsynets årsmelding for 2009. Arbeiderpartiets syn er kjent. Vi mener lovforslaget som kom fredag, representerer en sunn avveining av hensynene til personvernet og samfunnets behov for tilgang til trafikkdata ved etterforskning og rettsforfølgelse av alvorlig kriminalitet. Datalagringsdirektivet representerer både et rettsforfølgelse av alvorlig kriminalitet. Datalagringsdirektivet representerer både et inngrep i og en styrking av personvernet. Leverandører av nettjenester pålegges en lagringsplikt, samtidig skjerpes kravene til utlevering av trafikkdata fra det som er dagens situasjon. I 2009 gjennomførte Datatilsynet nesten 20 pst. flere kontroller enn året før. Kontrollvirksomheten er et viktig bidrag til at personopplysningsloven etterleves, og den må ha prioritet. Dessverre avdekker kontrollene omfattende brudd på regelverket, og komiteen har spesielt merket seg Datatilsynets uro over manglende etterlevelse i mindre kommuner og Datatilsynets brede internasjonale arbeid er også av stor betydning. Særlig EU er en viktig premissleverandør for personvernrettslige normer og regler. Det er derfor viktig at Datatilsynet har fått observasjonsstatus i EUs arbeidsgruppe om personvern. Siden 2005 har regjeringen økt Datatilsynets driftsbudsjett med ca. 45 pst. Det har gitt rom for økt aktivitet. I 2009 etablerte Datatilsynet veiledningstjenesten slettmeg.no, som gir råd til personer som av ulike grunner ønsker å få slettet personopplysninger på Internett. Barn og unge er en særlig sårbar gruppe. Datatilsynet peker i årsmeldingen på en ny problemstilling: At foreldre legger ut opplysninger om sine barn på Internett for å skape sympati i egen barneverns- eller barnefordelingssak. Komiteen mener det er behov for tiltak på dette området. I fjor tok jeg opp viktigheten av at Datatilsynet opptrer på en måte som styrker tilliten til tilsynets vurderinger og uavhengighet. Også i år har vi dessverre sett eksempler på det motsatte. Jeg vil her nevne uttalelser fra tilsynets daværende direktør om at det kun er et tidsspørsmål før politiet vil kreve å få lagret innholdet i alle telefonsamtaler. Det er en påstand det ikke er dekning for. Uttalelsen er kun egnet til å spre unødvendig frykt og undergraver tilliten til Datatilsynet. Komiteen tar til etterretning at Datatilsynets mål er å kommunisere standpunkter på en tydelig måte, som ikke går på bekostning av seriøsitet og etterrettelighet. etterrettelighet. Personvernnemnda hadde flere saker til behandling i 2009 enn tidligere år. Nemnda omgjorde Datatilsynets vedtak i to av 15 behandlede saker. Komiteen har lagt til grunn at økningen ikke er et uttrykk for mangelfull saksbehandling i Datatilsynet, men viser at flere saker er Til slutt vil jeg takke komiteen for konstruktive bidrag i behandlingen av saken. Det er gledelig at det er bred enighet om Datatilsynets betydning og bred oppslutning om personvern som en grunnleggende rettighet. Framstegspartiet merkar seg at Datatilsynet er

I dei siste tiåra har det skjedd ei enorm teknologisk utvikling som ein kunne ha lov å forvente berre skulle nyttast på ein positiv måte, også i forhold til personvern. Datatilsynet påpeiker likevel i si årsmelding at det motsette skjer, og det i monn. Kvar femte kommune innrømmer alvorlege brot på tryggleiken, men få søkjer hjelp for å sikre personvernet. Publisering av saksdokument på Internett, minnebrikker på avvegar og attgløymde utskrifter – lista over brot på personvernet er lang i mange norske kommunar. Ei ny undersøking utført av Norsk senter for og Kommunal Informasjonssikkerhet syner at norske kommunar er dårlege på å sikre sensitive opplysningar. Små kommunar er ofte verre stilte enn store. Personvernnemnda fekk betydeleg auke i talet på saker samanlikna med tidlegare år: 25 innkomne saker i 2009 mot seks i 2008. Nemnda meiner den store auken kan ha samanheng med Datatilsynets tilsynsobjekt, då enkelte bransjar/objekt i større grad enn andre ser seg tente med å påklage Datatilsynets avgjersler. Trass i den store saksmengda har Personvernnemnda berre omgjort to av klagesakene. I dei resterande ferdighandsama sakene opprettheldt dei Datatilsynet sitt Samsvar mellom Datatilsynet og Personvernnemnda sine vurderingar gjev Datatilsynet større fagleg tyngd i si framtidige verksemd. Framstegspartiet vil også i år understreke den viktige rolla tilsynet har som forvaltar av det eksisterande regelverket og som premissgjevar for den vidare Eg er viss på at tilsynet også i framtida vil setje dette på dagsordenen, og eg føler meg trygg på at tilsynet sjølv har store ambisjonar om å gjere eit best mogleg arbeid for å oppnå eit godt og trygt resultat, til det beste for oss innbyggjarar i dette landet. Eg er også viss på at tilsynet har Stortingets fulle støtte og tillit. For tilsynet må dette vere svært tilfredsstillande i deira vidare arbeid.
Neste taler er
vidare arbeid. Datatilsynet skal identifisere farer for personvernet, og de skal gi oss råd om hvordan vi kan unngå disse farene og eventuelt begrense farene. Årsmeldingene til Datatilsynet og Personvernnemnda som klageorgan gir inntrykk av aktiv og kompetent medvirkning til tilsyn, til rådgivning og til synlig deltakelse i samfunnsdebatten. Det skal vi være takknemlige for. Likevel er det en gjennomgangstone i meldingene, og i og for seg også i departementets påtegning i meldingen, at personvernet er under stadig press. Man kan få det inntrykk at personvernet drives litt fra skanse til skanse. Dette inntrykket av personvern på tilbaketog er ikke basert på følelser, men fakta. Man finner en rikholdig eksempelsamling i Datatilsynets beskrivelse av de kontrollerte sektorene. Jeg vil henlede oppmerksomheten på side 20, spalte 1: «Kontrollene avdekket en tiltagende tendens til å lagre data i større omfang og over lengre tid enn hva regelverket gir rom for. De to kontrollene som ble avviklet peker i retning av manglende respekt for de rettigheter den registrerte er gitt fra lovgivers side.»

frembyr følgende inntrykk: En generell beskrivelse er at virksomheten ikke har gjort seg tilstrekkelig kjent med regelverket, i altfor liten grad har avklart hvem som må gjøre hva, har mangelfull oversikt over hvilke personopplysninger som behandles, og har ikke reflektert over formål og behandlingsgrunnlag. Videre har de mangelfull systematikk i tilnærmingen til regelverket. Det sørges heller ikke for god nok sikring av personopplysningene, og de følger ikke sentrale plikter i regelverket, som informasjonsplikten og slettebestemmelsene. Det ser ut til å være en betydelig avstand mellom det regelverket Stortinget vedtar her i huset til beskyttelse av personlig integritet, og den virkelighet som etater og virksomheter opererer i. I hverdagen krenkes enkeltmenneskenes integritet. En viktig lærdom av dette er at man har en solid avstand til yttergrensene for hva man kan godta, for man må regelmessig regne med at det gjøres feil i forvaltningen. Selv innenfor sosialforvaltningen, som jo er etablert for å sikre mennesker økonomisk, og som skulle være nærliggende til å ta hensyn til individene, har vi nettopp sett at Nav fikk en egen hjemmel – faktisk bedre enn politiets – for å hente ut informasjon om klientenes mobiltelefonbruk og faktisk brukte hjemmelen også der for mer enn hva den var verd. Man kan reflektere over hvorfor det stadig skjer overskridelser av de ganske vide fullmaktene forvaltningen har fått til å kikke oss alle i kortene. En forklaring kan være at personvern ikke ligger innebygget som noen sentral verdi i den sektoriserte staten. Det er sektorinteressene som driver frem forslag til nye måter å innhente og bruke personopplysninger på. De har sine egne interesser å ivareta og er ofte ukritiske og av og til uskikket til å vurdere om fordelene ved et inngrep er reelle eller forholdsmessige. Særlig skeptisk er jeg til system der det er sektorinteressene som både tar initiativet til nye innhenting av informasjon og samtidig vurderer om inngrepet var forholdsmessig. Dermed skal de som egentlig skal avveie mellom grunnleggende og motstridende interesser, selv operere med partsinteresse. De innbilte fordelene er ofte påstått å være konkrete, mens ulempene kan sies å fordeles på den brede offentlighet i sin alminnelighet – dvs. på oss alle. Et viktig forsvar mot personvernkrenkelser er selvsagt at lovgiverne har et realistisk forhold til at det vil skje lovbrudd i forvaltningen. Det er faktisk mulig å si nei takk når noen av ekspertene forteller oss at verden vil bryte sammen dersom ikke alle teknologiske muligheter tas i bruk for å kontrollere hva befolkningen gjør. Men selv på områder hvor man har kommet til at lagring og behandling av personopplysninger om man ikke krenker den kjerne av individvern som aldri kan avveies bort, er det grunn til å stille opp betingelser, saksbehandlingskrav og sanksjonsmuligheter overfor brudd på personopplysningsloven. Her trengs en mer bevisst rettspolitikk, og ansvaret for det ligger i denne

Stadig oftere leser vi i avisen om hvordan personvernopplysninger er på avveier. Vi hører stadig oftere om spørsmål knyttet opp mot identitetstyveri, spørsmål knyttet opp mot det som handler om nettopp det Michael Tetzschner også trakk fram: en tendens til altfor mange uten lov lagrer opplysninger både lenger og mer og i større grad enn det de har anledning til. Jeg synes det er viktig at vi har et datatilsyn som er seg sitt ansvar bevisst og gjør en ordentlig jobb, og som også deltar som samfunnsdebattant og bringer det som handler om personvern, til torgs på en god måte. Der vil jeg gi Datatilsynet I tillegg er det en velkjent sak at det er uenighet mellom de forskjellige regjeringspartiene når det gjelder det som Håkon Haugli også var inne på tidligere: datalagringsdirektivet, som er framlagt. Det er etter min oppfatning en klar forskjell på innfallsvinkel og prinsipp, som vi speilvender gjennom det forslaget som regjeringen la fram på fredag: fra der vi i dag lagrer opplysninger etter behov og gir tillatelser til den enkelte instans og tar utgangspunkt i behov og gir tillatelser til den enkelte instans og tar utgangspunkt i at mennesker er uskyldige inntil det motsatte er bevist, til å speilvende dette prinsippet til å se på alle mennesker som potensielle kriminelle og på den bakgrunn lagre informasjon i et begrenset tidsrom. Jeg ser veldig få prinsipielle forskjeller mellom å lagre informasjon om mennesker i ett år, et halvt år, to år, år, to år, ti år eller 20 år. Men det er det prinsippet som er oppe til debatt. Der ligger det forskjellige avveininger, og det må vi bare respektere i den diskusjonen vi skal ha i tiden som kommer. Uansett er det ingen tvil om at vi i tiden som kommer, har behov for et datatilsyn som gjør jobben sin, både for de enkeltindividene som har behov for det – det har etter min oppfatning vært

vil vi også ha muligheter for å sørge for å gi bredere befolkningsgrupper tilgang til mer sensitiv data og mer sensitiv informasjon. Men det vil også gi en trygghet i forhold til å beskytte oss sterkere enn det vi gjør i dag, nettopp knyttet opp mot problemstillingen med ID-tyveri. Med det slutter jeg meg til det komiteen har gjort, og vi tar denne årsmeldingen til orientering og etterretning. Personvernet har egentlig aldri vært så truet som det er nå, og aldri har vi sett at

etterretning. Personvernet har egentlig aldri vært så truet som det er nå, og aldri har vi sett at teknologien utfordrer personvernet så mye som det gjør akkurat nå. Men jeg ser noen tegn i tida som gjør meg mer positiv også. For det første må jeg understreke det som vel alle her i salen har sagt – hvor viktig og sentral Datatilsynet er for håndheving av lovgivningen på dette området. området. Jeg vil også slutte meg til dem som har skrytt av Datatilsynets evne til å omstille seg og finne nye måter å jobbe på, sånn som f.eks. slettmeg.no som har fungert veldig positivt, spesielt overfor mange ungdommer, og som sikkert også veldig mange voksne har benyttet seg

Datalagringsdirektivet har blitt et symbol på alle de utfordringene personvernet blir stilt overfor. Sjøl min mor uten hjemme-pc har et brennende engasjement mot dette direktivet. Det betyr at vi begynner å få en folkebevegelse som er mye mer

Nå ser vi også i dag veldig mye lekkasje av informasjon fra helsejournaler. Vi ser at dette er et område som er presset, og vi ser stadig vekk at den type sensitiv informasjon kommer på avveier. Hvis folk er irritert over at noen skal ha oversikt over hvem

Vi innfører i dag ordninger der vi overvåker våre barn. Vi innfører ordninger på nettet der vi overvåker barn, på mobil der vi overvåker barn. Alt er gjort med gode hensikter fra foreldre som er veldig engasjerte. Problemet er at vi lærer opp en hel generasjon til å si at personvernet ikke har noen verdi – ditt behov for å kunne hviske noe hemmelig til en kompis har ingen verdi. Vi lærer opp en hel generasjon av barn

Vi har hatt en stor skandale, mener jeg, knyttet til Navs håndheving av regelverket på området. Det som Nav-saken viser oss, er to ganske oppsiktsvekkende ting. Den ene er at Nav, skatteetat og tolletat har større myndighet til å innhente informasjon enn norsk politi. Det tror jeg bryter grunnleggende med folks forståelse av hva som er rett og galt i et samfunn. Det at de tre etatene skal ha mer innsyn i vårt personvern enn et politi som etterforsker saker, forstår ikke vi i Venstre. Men det andre som Nav-saken avslører, er en mangel på en grunnleggende ryggmargsrefleks knyttet til personvern. tror at en av de store utfordringene vi står overfor på veldig mange områder, kanskje er at de som sitter og forvalter systemet, drømmer om det perfekte system som ingen skal komme unna – et system de aldri kommer til å nå, men der de kommer til å overtrampe personvernet på en rekke områder i sin iver etter å nå dit. Det at vi i det hele tatt diskuterer et så utdatert direktiv som datalagringsdirektivet i denne salen, viser jo at vi politisk heller ikke klarer å være på høyde med det som virkelig skjer rundt omkring i verden. Personvern er i verden. Personvern er et gjennomgripende politikkområde. Det betyr at nesten uansett hvilket tema som diskuteres, vil det være aktuelt å vurdere personvernrelaterte spørsmål. Årsmeldingene fra Datatilsynet og Personvernnemnda for 2009 viser bredden i de sakene personvernmyndighetene arbeider med. Spennet går fra tunge saker om opprettelse av helseregistre og bruk av personopplysninger i forskning, via personvern i transportsektoren, til saker om bruk av sosiale medier og personvern. Vi ser et voksende engasjement for personvern, selv om «mannen i gata» nok ikke er opptatt av personvernspørsmål i det daglige. Flere saker har bidratt til å sette søkelys på personvernspørsmål. Blant annet har bruken av helseopplysninger i forskningssammenheng fått stor oppmerksomhet i pressen. EUs datalagringsdirektiv er likevel i en særklasse når det gjelder oppmerksomhet og debatt. Sjelden har så mange hatt så sterke meninger om personvern som i den saken, og det er bra at vi har omfattende, offentlig debatt om så viktige saker.

Omfattende lagring av data fra elektronisk kommunikasjon representerer utvilsomt et personverninngrep. Samtidig er det viktig for regjeringen å legge til rette for at politiet har de verktøy som er nødvendige når alvorlig kriminalitet skal etterforskes. Når vi foreslår at tilbydere av elektronisk kommunikasjon skal pålegges plikt til å lagre data i tolv måneder, har det samtidig vært viktig å sørge for strenge regler for tilgang til dataene for å ivareta personvernet. Terskelen for politiets tilgang til data er hevet betydelig i forhold til gjeldende rett. Som hovedregel må den straffbare handlingen ha en strafferamme på fire år. For utlevering av lokaliseringsdata kreves fem års strafferamme. I tillegg må dataene ha vesentlig betydning som bevis i saken. Det er altså ikke slik at politiet fritt kan hente ut de dataene de selv ønsker. Før data kan utleveres, skal det foretas en grundig vurdering der politiets behov for data i kriminalitetsbekjempelsen veies opp mot bl.a. de registrertes behov for personvern. personvern. For personvern må alltid veies mot andre samfunnsinteresser. Og personvernvurderinger må foretas tidlig i prosessene. Bare på den måten kan de bli en integrert del av beslutningsgrunnlaget. Det snakkes stadig oftere, både nasjonalt og internasjonalt, om «privacy by design», eller innebygd personvern, som ser ut til å bli det norske begrepet. Det innebærer at personvernvennlige løsninger bygges inn i teknologien som automatiske førstevalg. Det er en god måte å få brukerne til å anvende personvernvennlige løsninger. Ved å benytte innebygd personvern kan man bl.a. fremme bruken av sporfrie alternativer og anonyme løsninger, noe som ofte er hvis personvernvurderingene kommer sent inn i beslutningsprosessen. Identitetstyveri er et fenomen som har fått økende oppmerksomhet. Vi har dessverre lite sikker informasjon om omfanget av problemet. Men for dem som utsettes for ID-tyveri, kan det både være svært ubehagelig og for enkelte også få store økonomiske konsekvenser. Regjeringen er opptatt av at er nærmest til å forhindre ID-tyveri, må være seg sitt ansvar bevisst. Ofte er det næringslivet selv som må sørge for å få etablert løsninger som ivaretar brukernes trygghet og forhindrer misbruk av andres identitet. Som ledd i oppfølgingen av Personvernkommisjonens rapport, har FAD satt i gang to konkrete tiltak som følges opp av Datatilsynet. Det første er slettehjelptjenesten slettmeg.no, der folk kan henvende seg dersom de opplever krenkelser på Internett og ønsker bistand til å fjerne uønskede opplysninger. I tillegg er vi i gang med et prosjekt som tar sikte på å heve kunnskapen om personvern og sikre bedre internkontroll og informasjonssikkerhet i norske virksomheter. Personvernombudene skal spille en viktig rolle i dette informasjons- og holdningsskapende arbeidet. Regjeringen arbeider nå med en omfattende oppfølging av de utfordringer og forslag til tiltak som ligger i Personvernkommisjonens rapport. Det er viktig å se komplekse personvernspørsmål i sammenheng, slik at vi på best mulig måte kan ivareta den enkeltes rett til personvern.

Vi hadde for ikke lenge siden en revisjon av arbeidsmiljøloven, hvor man gikk bort fra bøtestraff alene til også å ha fengselsstraff som en sanksjonsmulighet, og pussig nok fire år som strafferamme. Mitt spørsmål til statsråden er om hun ser frem til å bruke datalagringsdirektivet på norske arbeidsplasser for å avdekke, forebygge eller oppklare lovbrudd, med en strafferamme på fire år?

den måten kan selvsagt også arbeidsplasser bli involvert i den type spørsmålsstillinger. Men jeg mener at med datalagringsdirektivet vil vi ha en større rettssikkerhet nå enn vi har hatt tidligere, i og med at man skal ha rettens kjennelse for de grep politiet måtte gjøre knyttet til uthenting av trafikkdata fra teleselskapene.

spørsmål. Vi ser nå at personvernet får utfordringer fra en rekke registre. Noen av dem ramset jeg opp i mitt innlegg, som f.eks. helseregistrene. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvor mange skandaler, hvor mange lekkasjer og hvor informasjon på avveier må statsråden ha før hun igjen vil sette seg ned og vurdere om hvorvidt de valgene vi har gjort, er riktige når det gjelder å legge ut så mye informasjon tilgjengelig for så mange mennesker som vi gjør, f.eks. i forbindelse med helseregistrene?

tidlig for å sikre at personvernet tas med når man utformer de nye helseregistrene. Så ser jeg fram til en debatt videre om hvordan vi skal utforme personvernet, gjennom oppfølgingen av Personvernkommisjonens rapport, der vi kan få personvernspørsmål i sin fulle bredde. Da vil vi også kunne diskutere enkeltsaker. Jeg mener at i de enkeltsakene vi har hatt hittil, er personvernet vurdert nøye. Det må vi fortsette å gjøre i de nye sakene vi skal ha fram. Og så må vi straffe, slik at man følger opp personvernet i de enkelte virksomhetene. Da skal jeg spørre om noe mye mer konkret, slik at vi kanskje kommer i mål. Datatilsynet har hatt et prosjekt som heter slettmeg.no, som jeg syns har fungert veldig bra, og som mange, spesielt unge, har hatt muligheten til å benytte seg av. Nå er dette prosjektet over. Jeg vil gjerne høre hva statsråden syns om prosjektet, og om statsråden vil bidra til at det kanskje kan fortsette, slik at det er en tjeneste som norske borgere kanskje kan ha også i framtida.

minutter. Heldigvis er de aller fleste menneskene lovlydige borgere som ikke begår kriminalitet. Hverdagen er relativt trygg for de fleste nordmenn, men vi er også en del av verden. Bildene fra 2001 satte en støkk i Vi ble sjokkert og fylt med vantro. Så gikk det sakte, men sikkert opp for oss at terrorangrepet mot tvillingtårnene i New York var et bevisst angrep mot lovlydige borgere, og med hensikt – for å skade mest mulig. Siden den gang er vi alle blitt kjent med at vår verden har fått noen krevende utfordringer i å forhindre terror og angrep mot lovlydige borgere – sist understreket i Stockholm i Datalagringsdirektivet har vært i anmarsj lenge og har blitt debattert i ulike medier siden det kom fra EU i 2006. I mange ordskifter har det etter min mening blitt brukt for mye ensidig skyts mot det som er direktivets hovedformål. Hovedoppgaven for politikken er å sikre at samfunnet gir trygghet og Det er derfor grunn til å reflektere litt over verdens utvikling, og minne om at vi blir mer sårbare jo mindre avstanden blir, og jo mer komplisert den teknologiske infrastrukturen blir. Mange av dem som ikke kan beskytte seg mot kriminalitet og hensynsløse overgrep, opplever avmakt og mismot, også overfor myndighetene: Hvorfor skjer dette med meg? Hvorfor var det ikke noen som forutså at ting kunne skje?

Jeg er trygg på at også motstandere av direktivet er opptatt av å sikre vårt samfunn mot grenseløs kriminalitet og overgrep mot uskyldige barn. Der har vi en felles vei å Men jeg tenker også at det er viktig ikke å lage et skremselsbilde av datalagringsdirektivet og på en måte demonisere debatten. Vi må diskutere det ordentlig. Når Venstre i debatten her sier at barn ikke lenger kan hviske hemmeligheter til hverandre så mye de vil: Jo, det kan den digitale verden noe av det viktigste samfunnet kan gjøre. Og noen ganger i debatten – ikke her i salen, men ute – så føler man at personvernet nesten er overordnet overgrepet. Og det er faktisk

Jeg hører at representanten Skei Grande beskriver mye av motstanden mot datalagringsdirektivet og de reglene som følger av dette, som en symbolsk kamp, og det er også det inntrykket undertegnede har. I dag tidlig besøkte jeg Kripos og fikk se noe av den groveste formen for kriminalitet som brukes bl.a. i de

ikke opplever de virkemidlene som politiet skal ha, som symbolske, men som særs nødvendige. Jeg sier dette fordi man framstiller det som om alle tilhengere av det å ha en adgang til trafikkdata og at politiet får denne adgangen, nærmest umiddelbart er mot personvern. For undertegnedes del er det å forebygge kanskje noe av det viktigste personvernet vi kan gi særlig barn, og når skaden er og når skaden er skjedd, bidra til at sånne typer saker oppklares. Derfor er jo nettopp reglene som ble presentert på fredag – om det å kunne gi politiet fortsatt adgang til trafikkdata etter domstolsprøving, som det foreslås fra regjeringen, som er en betydelig personvernmessig innstramming, og det er også en innstramming at vi setter fire års strafferamme som hovedregel, fem års strafferamme når det gjelder basestasjonssøk – også en betydelig personvernmessig forsterking av regelverket, ved at man setter så stramme kriterier for at politiet skal få innsyn. Men samtidig må vi ha et blikk på de barna som rammes av denne type kriminalitet – vi kunne ha nevnt kriminalitetstype. Alt ettersom – jeg holdt på å si – hvor kriminaliteten utvikler seg, ser vi at den teknologiske utviklingen gjør sitt til at politiet er avhengig nettopp av å få innsyn i dette. – jeg holdt på å si – hvor kriminaliteten utvikler seg, ser vi at den teknologiske utviklingen gjør sitt til at politiet er avhengig nettopp av å få innsyn i dette. Når representanten Michael Tetzschner også trekker fram spørsmålet om lovbrudd i arbeidslivet, er det et tankekors at for de forbrytelser som har fire års strafferamme, vil politiet etter de nye reglene gis anledning til innsyn. Dem har vi faktisk ikke i dag. I dag, med dagens rettstilstand, vil man få innsyn uten å gå til domstolene forhold. Det er derfor jeg mener at det forslaget som er lagt fram fra regjeringa, ikke bare er en styrke i forhold til kriminalitetsbekjempelse, men også en styrke i forhold til det klassiske personvernet. Det er viktig å understreke at det ikke er noen som er imot at politiet skal få anledning til å bruke

eller overgrepsmenn gjennom å kontrollere Gmailen deres eller Hotmailen deres eller Skype-kontoen deres, som i dag ikke skal inkluderes i datalagringsdirektivet? Hva er den prinsipielle begrunnelsen for det? Hvorfor skal man ikke også lagre innholdet, hvis det viktige er at vi kan bryte personvernet for å ta nettopp noen av de verste overgriperne i samfunnet vårt? Hvorfor skal vi ikke gå dit? Jeg antar at justisministeren har gode svar på det, og jeg antar at justisministeren som jurist også har gode betenkninger rundt det. Problemet er at de resonnementene som han fører i offentligheten, ikke har noen som helst prinsipiell grense for hvorfor man skal gå hit, men ikke lenger. Det var nok ikke justisministeren som fikk meg til å ta ordet, men Arbeiderpartiets innlegg, der man insinuerer at personvern er overordnet overgrep, og der man nærmest insinuerer at alle som er mot datalagringsdirektivet, er for overgrep mot barn. Det er ikke Det er faktisk slik at noen har beregnet økningen i oppklaringsprosenten til rundt 1 promille ved å innføre datalagringsdirektivet. Men det er en enorm lagring av oss som ikke gjør noe. Hvis man skal diskutere dette, må man sette seg inn i hva innholdet i datalagringsdirektivet er. Innholdet er laget i en tid før før man kunne bruke de teknologiske ordningene. I dag kan man omgå datalagringsdirektivet ved å snakke sammen på Facebook, ved å bruke Hotmail, ved å bruke Skype og ved alle andre teknologiske måter. Og så tror man at alle – jeg vet ikke, men «drittsekk» er nok ikke et parlamentarisk ord? Det er det ikke. Så tror man at alle kriminelle som gjør fæle overgrep mot borgere, ikke vet det. Hvorfor skal man gå rundt og tro det? Skal man lagre alt som går på oss som ikke gjør noe, mens alle de som begår disse overgrepene, bare velger andre kanaler? Det er jo dét det er snakk om når det gjelder datalagringsdirektivet, det er derfor EU holder på å parkere hele prosessen, for de skjønner at det ikke funker. Det er helt uforståelig for meg hvorfor en regjering skal presse gjennom noe som hele EU har erkjent ikke funker. har erkjent ikke funker. Det er ikke slik at vi som er mot direktivet, syns at overgrep er greit, syns at bombemenn i Stockholm og terrorangrepene i New York er greit, og at det bare er noe vi må betale for personvernet. Nei, det funker ikke, det tar ingen av disse, for det er så lett å omgå.

jeg. Da er vi i gang med en diskusjon om datalagringsdirektivet, en diskusjon vi gjerne skulle hatt for ganske mange år siden. Mine beveggrunner for å delta i debatten og mine grunner for å være skeptisk til dem som helt ukritisk går ut og sier at vi må innføre datalagringsdirektivet, er at jeg kommer fra et fylke der vi med regjeringspartiet Arbeiderpartiet i årevis har opplevd hendelser der man har vært ukritisk til personvern. Fra Finnmark har vi utallige historier om at man har gjemt unna ulovlige arkiv, man har svidd dem, og det er pensjonerte partisekretærer som til og med skriver bok om det. For meg blir det slik at når parlamentarisk leder Helga Pedersen går ut og hvis vi ikke skynder oss å innføre dette direktivet, vil Norge framstå som et senter for pedofile. Da stusser jeg litt. Hver gang noen fra Arbeiderpartiet er ukritisk til å innføre et direktiv, er det viktig å stusse litt. Det har jeg lært. Det er faktisk ikke slik at alle som er imot – ikke ukritisk – å innføre denne typen direktiv,

Norge ha. Det var Trine Skei Grandes siste ordet. Jeg synes det er veldig beklagelig at motstandere av datalagringsdirektivet benytter de samme teknikkene i denne debatten som de beskylder oss for, nemlig ganske ukritisk å framstille at vi har et syn som vi ikke har. For la det være helt klart: Også for Arbeiderpartiet er det tatt krevende avveininger i denne saken mellom hensynet til personvernet og hensynet til å kunne bekjempe kriminalitet mest mulig effektiv. effektiv. Jeg begynte å lure på om Trine Skei Grande egentlig kjente innholdet i den lovproposisjonen som ble lagt fram på fredag, da jeg hørte det innlegget som ble holdt. For det første sier representanten Skei Grande at kriminelle kommer til å bruke ny teknologi til å omgå det som er kriminalisert gjennom direktivet. La oss ta f.eks. NOKAS-saken. I NOKAS-saken gjorde de som i dag er straffedømt, betydelige anstrengelser for å omgå den type teknologi som det her er snakk om, nettopp for at politiet ikke skulle få kjennskap til dem. Men de gjorde en feil. En dag var det en som benyttet en datamaskin i Malaga i Spania. Det førte til at politiet fikk en IP-adresse som man kunne

Så sier Trine Skei Grande at EU er i ferd med å parkere direktivet. Jeg aner ikke hvor representanten har tatt det fra. På dialogmøtet som var i Brussel 3. desember, sa tvert imot kommissær Malmström det motsatte, nemlig at EUs datalagringsdirektiv er kommet for å Jeg har lest spørsmålene som er stilt i forbindelse med høringsnotatet. Jeg synes det er gode spørsmål. De går på formålet. De går på mange av innretningene som er der som også Norge har tatt stilling til. Jeg opplever at mange av de spørsmålene som EU har reist, er spørsmål som Høyre har reist. De er ikke så retoriske som Torbjørn Røe Isaksens, men de er høyst relevante når det gjelder balansering av personvern og hensynet til å bekjempe kriminalitet. Så må jeg si til Torbjørn Røe Isaksens innlegg at vi nettopp drar en grense nå ved å innskjerpe tilgangen på trafikkdata gjennom krav om domstolskontroll. Gjennom å sette et krav om en hovedregel på fire år drar vi jo en grense som ikke finnes i dag. Vi må i denne sal kunne diskutere om prinsippene om personvern blir overordnet målet. Det må vi kunne gjøre uten at vi skal beskylde andre for å mene noe galt med det. Det er ingen som har påstått at motstandere av datalagringsdirektivet er for kriminalitet. Hvis det er noen som oppfatter det sånn, tenker jeg at det er viktig å presisere at sånn er det ikke. Men det er et viktig direktiv, derfor er det også viktig å diskutere det skikkelig. Hvis det er sånn som Trine Skei Grande sier, at vi kan løse kriminalitet med god hvorfor ber politiet samstemt og innstendig om å få lagret trafikkdata? De ber om å få dette verktøyet, ikke for å kikke på hva som er lagret, men for at man skal kunne gå tilbake til det som er lagret. Vi skal avveie dette, ikke ukritisk og ikke uten noen prinsipielle avveiinger, Røe Isaksen antydet. Dette er for viktig til det. Jeg vil bare presisere fra min side at mine betraktninger rundt personvernet og det forhold at jeg mener at mye av regelverket som kommer i kjølvannet av datalagringsdirektivet, bidrar til å styrke personvernet, særlig for små barn, men også andre som utsettes for kriminalitet, betyr ikke at de som er motstandere av direktivet, ikke er for å bekjempe kriminalitet. Men det betyr samtidig at man også må unne tilhengerne av direktivet den oppfatning at det er et betydelig personvernmessig aspekt for oss at bl.a. barn som er ofre for alvorlig kriminalitet, får den oppreisningen som ligger i at man avdekker og etterforsker saken. Så til representanten Skei Grande, som hevder at det bare er i en promille av sakene dette har betydning, og at de store fiskene når man ikke. Da anbefaler jeg å lese proposisjonen, da anbefaler jeg å lese hva Kripos sier, for det er nettopp det også de europeiske erfaringene går i retning av. Det er jo nettopp når det gjelder grove ran, narkotikasaker, drapssaker, organisert kriminalitet og overgrepssaker mot barn, at man ser at trafikkdata er av vital betydning for å kunne avdekke hvem som står bak. I over halvparten av de mellom 1 500 og 2 000 sakene som Kripos undersøkte i 2008, og hvor trafikkdata var brukt, ser vi at man har hatt stor nytte av å kunne sjekke trafikkdata.

Signalene fra Brussel er jo nærmest det motsatte. Man ser på hvordan dette virker, og man har så langt ingen signaler om at politiet er misfornøyd med nytteeffekten av å bruke trafikkdata. Så her må jeg si at vi må i hvert fall utvise en viss varsomhet når det gjelder hvordan vi refererer fakta i så måte. Til Røe Isaksen: Flere av oss ønsker å sette grenser når det Isaksen: Flere av oss ønsker å sette grenser når det gjelder hvordan man ønsker å innhente trafikkdata, og hvor lenge de skal lagres. Noen av oss mener at det Datatilsynet gjorde da man satte 21 dagers lagringstid for IP-adressene, var veldig synd, fordi Norge da ikke klarer å spore hvem som ligger bak IP-adressene når det gjelder overgrepsbilder av barn, i motsetning til våre naboland og andre land i Europa som har lengre lagringstid. Men vi har en så pass prinsipiell tilnærming at vi mener at man ikke skal lagre for evig og alltid. Det er det vanskelige i politikken, men på et eller annet tidspunkt må jo også de som er tilhengere av at politiet skal innhente trafikkdata – noe jeg oppfattet at Røe Isaksen var, men ikke Skei Grande – sette grenser for hvor lenge man skal måneder. Jeg må si at det må være lov i politikken å ha den oppfatningen at når det gjelder så alvorlig kriminalitet som dette representerer, må vi ha videre rammer enn det Datatilsynet faktisk setter i dag. Når jeg velger å ta ordet nå, er faktisk setter i dag. Når jeg velger å ta ordet nå, er det i utgangspunktet med bakgrunn i at debatten om Datatilsynets årsrapport er i ferd med å bli en datalagringsdirektivdebatt, og jeg synes det er på sin plass at også ja-siden i Høyre fra denne talerstolen kommer med det. Jeg tror at både ja-siden og nei-siden rett og slett må ha en noe mer moderat tilnærming til argumentene. Det er ikke snakk om et enten – eller. Faktisk så er det snakk om en avveining. Det er mange gode sider ved datalagringsdirektivet. Det er grunnen til at det er innført. Det er hele poenget med at det eksisterer i EU. Det er en evaluering i EU, og som justisministeren var inne på flere ganger, er det ingenting i EU som tyder på at direktivet fjernes. Det blir sannsynligvis mer en innskjerping.

de kriminelle har, og ha de samme ressursene i Norge som andre lands politimyndigheter har. Det tror jeg er utrolig viktig. Så tror jeg det også er slik at debatten preges av, kanskje også i denne salen, at man har en debatt om på den ene siden datalagringsdirektivet med sine prinsipielle betenkeligheter og sine praktiske svakheter og en virkelighet som ikke er til stede i den andre enden som et alternativ. Ingen datalagring er ikke et alternativ. Derfor blir for eller mot datalagring Derfor blir for eller mot datalagring en svært merkverdig debatt. Hvis Norge sier nei til datalagringsdirektivet, forsvinner ikke datatrafikken i kosmos av den grunn. Den vil fortsatt eksistere. Da må man tenke: Hva skal man gjøre? Da er min utfordring tilbake til motstanderne, både innenfor og utenfor denne sal: Hva er alternativet? Hvis man har et alternativ å diskutere, blir motstanden mer synlig, og man kan vise til konkrete ting. Nå blir det veldig prinsipielt på den ene siden og veldig praktisk på den andre siden i tillegg til at man også har en ideologisk innfallsvinkel til det. Hvor lenge vil man ha lagring? Er det tre–fire måneder, slik som i dag, som noen av motstanderne ønsker, eller er det tolv måneder eller er det seks måneder eller er det åtte måneder? Hva slags kriminalitet er det de ønsker politiet skal ha innsyn i? Hvem skal eventuelt innsyn? Det er en diskusjon som Stortinget nå skal ta. Regjeringen har levert et høringsutkast. Høyre skal ta diskusjonen, men jeg tror nok debatten er tjent med at begge parter opptrer redelig og ikke mistenker hverandres motiver. Da får vi en god diskusjon. Men min utfordring er: Kom med et alternativ, ikke bare
oppdaget jeg at jeg hadde kommet på vorspielet til DLD. Det er klart at det er alltid artig med vorspiel, det er ofte der det er mest trykk, men jeg tror vi skal ta oss den nødvendige tid nå. Jeg er blant dem som er relativt interessert i datalagringsdirektivet – jeg er kommet til side 123. Den ble overbrakt i dag. Det er 141 sider i proposisjonen – interessant lesning, men la oss nå lese og

har det vært en klar fokusering på det denne saken egentlig dreier seg om, nemlig personvernutfordringene i Norge. Det er en lang liste med utfordringer som Høyre nå har tatt tak i, og som vi vil ta tak i uavhengig av datalagringsdirektivet.

nå. La meg slutte meg til det som i hovedsak var representanten Hellelands budskap. Men allikevel, når vi behandler Personvernnemndas og Datatilsynets årsmeldinger, tror jeg også det er viktig at vi tar den debatten når disse meldingene håndteres. Det gir også disse meldingene en antydning om. Jeg er helt enig i at Datatilsynet i Norge og Personvernnemnda gjør en fantastisk jobb, men det er bare så beklagelig at ingen lytter til dem. Det er det som er noe av problemstillingen, også når det gjelder datalagringsdirektivet. Jeg merket meg det som ble sagt av enkelte representanter når det gjelder datalagringsdirektivet: På et eller annet tidspunkt gjør folk en feil, og da er det viktig at

Men jeg er for at vi bruker alle ressurser til overvåkning, infiltrasjon og hva det måtte være når det gjelder mennesker som er mistenkt for eventuelt å plundre med planer om terror eller organisert kriminalitet. Det er en helt annen debatt. Den skal jeg for øvrig ta med justisminister Storberget senere i kveld, har jeg skjønt. Så sies det: Ja, jeg har registrert gjennom et helt år at politiet ber om å få bedre tilgang. Men jeg har også registrert at Forsvaret er meget kritisk, at Datatilsynet er meget kritisk, at universitetene våre indirekte er imot og at over 50 pst. av dem som har svart på høringsutkastet, er imot. Det teller også litt. For ca. 55 minutter jeg en samtale med Brussel. Jeg synes det er helt merkelig, og det setter Arbeiderpartiet i et visst lys, at man nå raskest mulig skal tvinge igjennom et datalagringsdirektiv fra 2006 som har gått ut på dato. For det kommer et nytt i vårsesjonen 2011 fra EU. Da synes jeg i hvert fall man kunne tatt seg tid til å vente på det, for man skal ikke kimse av de signalene som kommer om lagring av innhold. Det ble fremmet en resolusjon i kommisjonen om at innhold også skulle lagres. Det ble avvist på dét tidspunktet. Men det er en del av det som EU driver og diskuterer nå når det nye datadirektivet skal legges fram. Men det sier noe om Arbeiderpartiet når man så hastig skal ha igjennom dette for å få på plass datalagringsdirektivet. Det er altså så hastig skal ha igjennom dette for å få på plass datalagringsdirektivet. Det er altså sånn, i hvert fall for Fremskrittspartiets del, at det ikke er noen diskusjon om at politiet skal miste de verktøyene de har i dag. De skal vi sikre. Jeg registrerer at justisministeren ønsker samtaler med Fremskrittspartiet. De skal vi ta, men da med det formål å senke den totale overvåkingen i Norge. Representanten Trine Skei Grande Skei Grande har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Vi har ikke blitt invitert til samtaler, så vi bruker talestolen i stedet. Dette handlet om Datatilsynet helt til representanten Ingalill Olsen tok ordet i debatten. Jeg må bare få svare kort på noe. Først til parkering av

sitt. Jeg trodde det var årsmeldingen til Datatilsynet vi skulle diskutere, men jeg registrerer at det har blitt en skikkelig heit debatt om datalagringsdirektivet. Det gleder en transportmanns hjerte at vi får en diskusjon om dette viktige temaet. Men etter å ha hørt på både justisministeren og Arbeiderpartiets synes jeg det på mange måter var viktig å hive seg inn i debatten, for det er en viktig debatt. Det som jeg synes er viktig å ha med seg, og som jeg opplever at de som er for direktivet, ikke prater mye om, er den totale overvåkingen av innbyggerne i Norge som brer om seg på stadig nye områder. Ikke bare innenfor dette datalagringsdirektivet, men også på andre områder i det norske samfunnet opplever vi stadig at personvernet er på vikende front. Jeg synes også Datatilsynet er veldig tydelig på det.

Når man nå er så opptatt av at man bør ha tolv måneders lagringstid, synes jeg også det er viktig å ha med seg at erfaringene fra de EU-landene som har innført direktivet, er at det aller, aller meste – opp mot 90 pst. – faktisk har kortere lagringstid enn seks måneder. Det betyr vel kanskje at ønsket fra Arbeiderpartiet om tolv måneder ikke nødvendigvis er i tråd med det behovet som man har sett i de landene som har innført datalagringsdirektivet, i tillegg til at jeg mener at mange av de nye parameterne er et sterkt inngrep i den enkeltes personvern. Jeg gleder meg til å jobbe videre med datalagringsdirektivet, som nå ligger til behandling. Så håper jeg selvfølgelig at det kommer til transport- og kommunikasjonskomiteen, sånn at det faktisk kommer til den komiteen som stort sett behandler det i resten av Europa, og at som stort sett behandler det i resten av Europa, og at det ikke blir en ren justissak, som jeg opplever at justisministeren har lagt mye prestisje i å gjøre det til. Slik kan man ta for seg alle aspektene, ikke bare det som handler om kriminalitetsbekjempelse og den biten, men man får en bred og grundig diskusjon rundt den personsmessige problematikken som ligger i innføring av datalagringsdirektivet. Datalagringsdirektivet er

Politidirektoratet, Kripos, Økokrim, Politiets Fellesforbund, riksadvokaten og Det nasjonale statsadvokatembetet har vært krystallklare på at datalagringsdirektivet er nødvendig. Datatilsynets egen utredning gjennomført av sivilingeniør Svein Y. Willassen kom til samme konklusjon. Trafikkdata er viktige bevis, og det er useriøst å hevde at disse fagmiljøene ikke forstår kriminalitetsbildet eller nytten av Så til Trine Skei Grandes påstand om at det er lett å omgå. Ja, verken lagring eller muligheten for å omgå etterforskningsmetoder er noe nytt. NOKAS-ranet var det best De var godt klar over risikoen for sporing. Likevel ble de tatt fordi de gjorde en feil. Et SIM-kort kom på avveier. Det gjorde at man kunne spore nettrafikken, og det gjorde at norgeshistoriens mest alvorlige ranssak ble oppklart. Røe Isaksen påstår at vi stadig vekk tar et skritt til. Det er feil. Det er ikke så enkelt som at datalagringsdirektivet svekker personvernet. På sentrale områder vil lovforslaget styrke personvernet ved at utlevering av trafikkdata krever mistanke om et alvorlig, straffbart forhold, ved at det stilles krav om at dataene vil ha vesentlig betydning, og ved innføring av domstolskontroll. Det er ikke slik at alle er under mistanke. Data vil, som i dag, kun bli brukt ved konkret mistanke om et alvorlig, straffbart forhold. Nylig fikk Kripos tips om en far som opererte som hallik for sin sju år gamle datter. Faren opplyste om at han selv misbrukte henne, la ved tre bilder og oppga e-postadresse og bosted. Da politiet fikk tipset, var opplysningene slettet hos nettleverandøren, i tråd med dagens lagringsregler. Det skremmer meg at flere av dem som i dag angriper datalagringsdirektivet med henvisning til personvernet, kun er opptatt av eget ubehag ved lagring av trafikkdata og ser helt bort fra personvernet og rettssikkerheten for dem som utsettes for alvorlige, straffbare forhold. Jeg vil til slutt takke for en engasjert debatt. Det har ikke alltid vært slik at alle partier har deltatt i debatten om Datatilsynets årsmelding. At de gjør det i dag, får vi tolke som et uttrykk for at det er bred oppslutning både om Datatilsynet og om personvernet. Neste taler er personvernet. Det er akkurat denne type innlegg som gjør at vi også får denne type debatt. Når representanten Haugli påstår at det var motstanderne av datalagringsdirektivet som startet debatten, er det helt feil. Det var statsråden som gjorde det, og andre fra posisjonen, som mener at de som er nærmest også er for terror og for overgrep mot barn. Det er jo det som antydes i innlegget fra Haugli. Jeg hører igjen at NOKAS-saken nevnes. Baneheia-saken er også brukt. Disse sakene ble løst uten

man, som Datatilsynet, er tilhenger av lagring av kommunikasjon. Ja, ingen er imot det. Ingen er imot det som ligger der i dag, den tilgangen som politiet i Norge har i dag. Det er ingen som er motstander av det. Men det er langt fra den tilgangen og det verktøyet politiet har i dag, til det å implementere datalagringsdirektivet. Det er stor forskjell på det. Forskjellen er at man med det nye direktivet skal lagre all type kommunikasjon. Jeg tror ikke det finnes kapasitet til å lagre det heller. Det er en annen sak, det er en diskusjon som kommer senere. Og det er altså sånn – og det er det viktig å få med seg – at det er ikke bare Fremskrittspartiet, SV, Senterpartiet og deler av Høyre som er imot. Som jeg sa i mitt første innlegg: Over 50 pst. av dem som har svart, er imot. Så bruker man overgrep mot barn. Ja, barneombudet er imot, Redd Barna er imot, og varslere er imot, fordi det vil få en helt annen type konsekvenser. Den foreløpige konklusjonen på evalueringen i EU er at man ikke har fått økt oppklaringsprosent når det gjelder å bekjempe Men det er dokumentert at man har svekket personvernet vesentlig. Det burde være et signal til flere enn Fremskrittspartiet. Ja, trafikkdata er viktig i kriminalitetsbekjempelse. Da må vi først og fremst sikre den tilgangen som politiet har i dag, for den er i ferd med å forvitre ved at fakturering endres til årsavtaler. Det burde ha vært debatten nå, ikke det gamle datalagringsdirektivet fra 2006.
Neste taler er fra 2006. Representanten Sandberg påstår at sakene er løst. Det er feil. Saken med faren som tilbød sex med sin sjuårige datter, er ikke løst. Dataene var slettet, i tråd med dagens lagringspraksis. Og saken er ikke unik. Kripos får jevnlig lister med norske IP-adresser som er brukt til overgrep mot barn. barn. Det er ikke nødvendig å antyde noe som helst her, vi kan si det rett ut: Faktum er at Fremskrittspartiet ikke lytter til politiet, og svikter i kampen mot alvorlig

Disse to sakene er blitt løst uten at vi har implementert datalagringsdirektivet. Men at det blir brukt trafikkdata, er helt riktig. Det er også mange andre saker som blir løst i dag. Vi bør fokusere mye mer på å forebygge at denne type kriminalitet skjer. Det betyr helt vanlige politimetoder for overvåking og infiltrasjon og, ikke minst, samarbeid på tvers når det gjelder å mistenke, overvåke og gripe dem som er mistenkt for å kunne begå denne type kriminalitet. kriminalitet. Representanten Per Sandberg har helt rett i at trafikkdata har vært vesentlig for å oppklare mange av de mest betydelige straffesakene vi har hatt i Norge. NOKAS-saken er det fremste eksempelet på det. Samtidig fører den teknologiske utviklingen til at data ikke lagres i samme omfang og så lenge som tidligere. Politiet viser selv til f.eks. Orderud-saken som en sak det ville vært mer krevende å oppklare i dag, fordi man på den tiden lagret trafikkdata lenger enn i dag. Så har det oppstått en ny situasjon. Datatilsynet har

politiet ikke får tak i, fordi IP-adressene er slettet. Jeg registrerer at Sandberg ikke forholder seg til saker som ikke blir løst, bare til saker der man i dag har tilgang til trafikkdata. Han forholder seg ikke til de sakene som i dag ikke løses, og der politiet er helt tydelig på at man trenger et bedre regelverk enn i dag for å løse dem. En organisasjon som har vært veldig tydelig på behovet for datalagringsdirektivet for nettopp å kunne oppklare overgrepssaker i forhold til barn, er f.eks. Stine Sofies Stiftelse. Så det som representanten Sandberg sier om at vi har støtte fra veldig få, er ikke riktig. Jeg beklager at Fremskrittspartiet i denne saken ikke har lyttet til alle tidligere justispolitikere i Fremskrittspartiet som har framhevet behovet for implementering av datalagringsdirektivet i norsk lov, og som har kritisert regjeringen for ikke å ta grep for å implementere direktivet, fordi fordi det er nødvendig for politiet å få på plass en slik type regelverk for å kunne oppklare kriminalitet. Og jeg registrerer at Fremskrittspartiets talsmann ikke er opptatt av at politiet i dag ikke får løst en rekke alvorlige saker på grunn av mangelen på lagring av trafikkdata. Før neste taler får ordet, vil presidenten gjøre oppmerksom på forretningsordenens § 38, der det står at «taleren bør holde seg strengt til den sak som er under debatt». Hvis noen har lyst til å sjekke dette, står det på side 33 i Stortingets forretningsorden. Under siste debattrunde når det gjelder Datatilsynets årsmelding, ble

mot datalagring som er svært sentralt, og som bør tas fram i denne debatten. Det er den 21-dagersfristen som Datatilsynet har satt for lagring av IP-adresser. Det er bakgrunnen for at i hvert fall undertegnede har valgt å problematisere det i denne debatten, for det foranlediger jo nettopp et behov for å diskutere hva vi gjør for å sikre oss her. Jeg skal gripe fatt i ett av svært få gode poenger i representanten Sandbergs innlegg. Det gjelder spørsmålet om og han sier det selv – at politiets mulighet for å drive denne type etterforskning forvitrer. Det ser vi nettopp på bakgrunn av en 21-dagersfrist. Da er mitt spørsmål, min undring, opp mot Fremskrittspartiet: Hvorfor er man ikke med på å tilrettelegge slik at politiet fortsatt kan ha muligheten for å hente ut trafikkdata, bl.a. i overgrepssakene, når det er satt en frist på 21 dager? Hva er alternativet – når representanten Sandberg peker på at politiets muligheter forvitrer, og han samtidig også sier at politiets mulighet må sikres? Det er jo der lovproposisjonen fra regjeringa, som ble framlagt på fredag, imøtekommer politiet opp mot det å få lengre lagringstid. Skal man ha noe å få innsyn i, må det faktisk være data som lagres. Derfor mener jeg at debatten om datalagringsdirektivet ligger veldig nært opp til den praksis som Datatilsynet har lagt seg på når det gjelder Og jeg forstår godt de representanter i debatten som har etterlyst motstandernes alternativ, slik også representanten Kambe, fra Høyre, gjorde. Hva er alternativet, hvis man ikke skal begynne å diskutere hvor lenge dataene skal lagres, hvordan politiet skal få innsyn i dette – vi har svart med domstolskontroll – og hva slags terskel som skal ligge for dette, der vi har svart fire år som en hovedregel, i motsetning til i dag, hvor terskelen er betydelig lavere? Det er de svarene jeg håper en god politisk debatt rundt datalagringsdirektivet vil avstedkomme og kanskje også skape et bredere politisk grunnlag for enn det det synes å være i dag.

det. Det synest eg alle skal ha ros for, for ein veit jo korleis debattar blir sparka i gang. Så eg tenkte at det var lurt å ha ein sørlending på lista, som ofte kan samle og ikkje skape splid, men eg ser at det kjem fleire etterpå. Men eg har behov for å kome med nokre merknader. Særleg gjeld det

og så skal innføre eit direktiv som ikkje er tilpassa dagens utfordringar, meiner eg at ein bommar. Som fleire har vore inne på, er det jo veldig enkelt å unngå. Ein kan berre ta ein mobiltelefon og gå inn og velje å bruke Skype når ein skal ringje, i staden for å ringje vanleg. Da vil det fungere slik at ein ikkje kan bli overvakt, for Skype skal ikkje overvakast eller lagrast. Skype skal ikkje overvakast eller lagrast. Det skal ikkje Facebook, det skal ikkje Hotmail, det skal ikkje Gmail osv. osv. Derfor meiner eg at ein tråkkar over nokre grenser fordi ein skal skape ein tryggleik, og i staden for å skape den tryggleiken endar ein opp med å svekkje personvernet. Fleire har vore inne på at for barnas del skal dette innførast. Lat meg òg berre minne om at så langt eg veit, er barneombodet imot det, Redd Barna er imot det, og det seier meg òg at det er mange som er opptekne av barns rettssikkerheit som òg har sterke innvendingar mot datalagringsdirektivet. Difor meiner eg at det er viktig heller å avvente og sjå på kva som skjer i EU, før ein vel å gå inn for datalagringsdirektivet som det ligg i dag. Det finst ingen grenser for kva me kan lagre. Me kan heile tida lagre meir og meir.

han mener det, altså tror at man skal finne bedre løsninger enn det som ligger i dagens framlegg fra Arbeiderpartiet til behandling om datalagringsdirektivet og ren implementering. Statsråden var veldig opptatt av IP-adresser og at de kun lagres i 21 år, og det var for så vidt representanten Bjørnflaten også. Vi er gjerne villige til å diskutere og se på dette. Det er langt fra 21 dager til seks måneder. Det er veldig stor forskjell på det. Det synes vi er interessant å diskutere og å se på. Og så registrerer vi at man sier at man er opptatt av å ta dem som er antatt å stå bak kriminelle handlinger. Poenget med datalagringsdirektivet er at alle kan omfattes av begrepet «antatt» å kunne stå bak og at man i ytterste konsekvens kan overvåke alle, hvis man vil det. Det ønsker ikke vi. Og når man hele tiden fra Arbeiderpartiets side står på denne talerstolen og prediker at dette handler om barna, og dem som er opptatt av barnas interesser, synes jeg det er viktig å ha med seg at Redd Barna, i hvert fall for meg, er en organisasjon som er opptatt av barna, og barneombudet er en organisasjon som er opptatt av barna. barna. Jeg synes faktisk det også er perspektiver man skal ha med seg når vi diskuterer datalagringsdirektivet, om man er for eller mot. Jeg synes også det er interessant, når vi nå tenker på hvilke lagringer som skal gjøres, at det er et sted mellom 100 og 200 teleselskaper som skal lagre all denne informasjonen, og også at regjeringen ikke klarer å holde styr på sine egne dokumenter, eller at andre stater ikke klarer å holde styr på sine egne dokumenter. dokumenter. Da kan man jo tenke seg hvordan 100 forskjellige selskaper skal klare å finne tekniske løsninger som hindrer at uvedkommende skal få tilgang til disse dataene. Jeg tror det skal bli spennende å se om man i det hele tatt klarer å hindre det. Så har jeg lyst til å gå innom ett aspekt til, som ingen har vært innom. For kort tid siden behandlet vi i denne salen en sak om varslere. Bedriften kan altså påstå at folk som påstå at folk som er varslere, har gjort noe kriminelt, som tilsvarer fire eller fem år, og på den måten kan man hente ut opplysninger om hvem man har vært i kontakt med, og når man var i kontakt med dem. Det kan i hvert fall være farlig og skadelig for folk som varsler om grove, ulovlige forhold, fordi det er de som vil bli anmeldt og fulgt opp, istedenfor at de virkemidlene som man er opptatt av i denne sal ivaretas, nemlig at man skal verne varslere.
Neste taler er

press. Jeg mener at denne debatten illustrerer et helt sentralt poeng når vi diskuterer personvern og teknologi, og det er knyttet til at lovgivningen alltid henger etter Det er også sånn at kriminelle vil ta i bruk de mulighetene som ligger i ny teknologi for å skape seg vinning, og myndighetene tar beviselig i bruk ny teknologi for å kontre de kriminelle og de virkemidlene de tar i bruk. Sentralt i debatten som vi får forsmak på knyttet til datalagringsdirektivet i dag, er spørsmålet om dagens ordning for hvordan vi håndterer disse dataene, og hvordan vi bruker dem, er god nok. Jeg mener at svaret på det er nei, og vi må diskutere hvordan vi skal forholde oss til dette i framtiden. For det blir jo ikke mindre data. Tvert imot blir det mer og mer data, og det blir mer og mer data på flere områder også. Personvernet er altså en grunnleggende rettighet som beskytter den enkeltes integritet og privatliv. Det skal jo bl.a. beskytte oss mot overgrep fra myndighetene, men også mot misbruk fra kriminelle. Dette er en helt grunnleggende demokratisk verdi som må stå høyt på dagsordenen. Da blir det også et spørsmål om hvordan vi da beskytter de dataene som faktisk finnes i samfunnet, ikke bare knyttet til ny teknologi, som vi nå diskuterer i anledning datalagringsdirektivet og telekommunikasjon, men også i forhold til andre områder. Et moment som ikke har vært nevnt i denne debatten, er den

Et av de viktige momentene ved datalagringsdirektivet og debatten knyttet til det som jeg synes stadig vekk underkommuniseres, er nettopp den innskrenkningen og innskjerpingen av personvernet som det legges opp til. Det er knyttet til begrensning av tilgangen, altså en klar innskrenkning i hvem som faktisk skal få tilgang, nå til påtalemyndighetene og til politiet, og Finanstilsynet. En domstolsprøving, som i dag ikke finnes,

antar han mente 21 dager, men som sagt: Jeg kan forstå hans motstand på den bakgrunn. Å forhindre og etterforske alvorlig kriminalitet handler om rettssikkerhet, men det handler også om personvern. Jeg lytter til Per Sandberg, og Per Sandberg sier to ting. Han sier for det første at trafikkdata har vært avgjørende i mange store straffesaker. Og så sier han noe annet: Tilgangen er «i ferd med» å forsvinne. Ja, det er riktig. Er det en Ja, det er riktig. Er det en utvikling Fremskrittspartiet vil sitte stille og se på? Hvis svaret er nei: Hva er Fremskrittspartiets alternativ? I 2005 var Fremskrittspartiets alternativ å fremme et forslag om obligatorisk datalagring i 12 måneder. Det var et forslag hele Fremskrittspartiets stortingsgruppe stemte for. Nå står partiet uten svar. Jeg vil gjenta Arve Kambes utfordring: Hva er alternativet til datalagringsdirektivet? Til slutt forsøker jeg meg på nytt: Takk for en engasjert debatt! Det er helt tydelig at disse spørsmålene er viktige for oss. Debatten viser vel med all mulig tydelighet at vi selv med samme mål kommer til ulik konklusjon når vi avveier personvern og andre hensyn. Neste taler er representanten Hans Olav Syversen. Presidenten vil nok en gang minne om Stortingets forretningsorden, om at «taleren bør holde seg strengt til den saken som er under debatt», og at vi har en lang kveld foran oss. Jeg holdt på å si: Er overvåkingen kommet så langt at selv presidenten kjente mine tanker om hva jeg skulle ha innlegg om? Da hun kom med advarselen, kan det jo hende at hun hadde noe rett i det. Jeg skal være kort, for jeg tror ikke Folkeparti har hatt ordet før. Det nikkes, at det har vi – da skal jeg være meget kort. Da vil jeg si at jeg er enig i det representanten Haugli sa, at det er en balanse mellom personvernhensyn og andre hensyn. Men hvis det er slik at man ensidig legger kriminalitetsbekjempelseshensynet til grunn, burde man jo ha gått mye lenger. Hvis man virkelig mener at det er det eneste avgjørende, burde man jo ha ønske om overvåking på et langt høyere nivå enn det man argumenterer for. Jeg vil vel si – nå skal jeg ikke forlenge debatten – at man de siste dagers begivenheter tatt i betraktning bør være forsiktig med å bruke alle mulige situasjoner til inntekt for sitt syn. Jeg synes det nærmer seg det uverdige når ulike settinger til den type argumenter vi har sett de siste dagene. Vi så det også da kontrollkomiteen hadde rapporten om organisert kriminalitet til behandling. Også i den situasjonen brukte man denne type argumenter for hvorfor man måtte innføre dette omtalte direktivet. Jeg håper at vi kan få debatten på et – i hvert fall etter mitt syn – litt mer edruelig spor.

minutt. Med bakgrunn i hva presidenten sa tidligere, vil jeg i hvert fall si at Datatilsynets årsmelding er veldig interessant. Det er masse interessant og godt lesestoff der. Til representanten Haugli vil jeg si at han har ikke knekt noen kode. Han har knekt koden om at 21 år egentlig var 21 dager, men jeg mener fortsatt at det er langt mellom 21 dager og seks måneder. Og så har jeg lyst til å utfordre i forhold til at jeg har registrert at verken kommenterer det faktum at evalueringen i de landene som har innført datalagringsdirektivet, viser at det i svært liten grad etterspørres data som er eldre enn seks måneder. 90 pst. er faktisk under seks måneder gamle. Det betyr jo noe mellom seks måneder og null. Det er sannsynligvis der man finner hva man trenger av lagring, og derfor er seks

Stortinget. Det voteres over forslag fra Venstre fremsatt i Stortingets møte 10. desember 2010: «Stortinget ber regjeringen om å foreta en samlet gjennomgang av reglene om møteoffentlighet i staten med sikte på økt offentlighet.» Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har varslet at de støtter forslaget. Det voteres over forslag fra Venstre fremsatt i Stortingets møte 10. desember 2010:

ordet. Jeg skal være kort. Jeg har bare behov for å påpeke at en samlet komité i sin merknad i Innst. 118 L sier: «Komiteen sluttar seg derfor til framlegget om at møte i kontrollutvala som utgangspunkt skal vere ope for presse og publikum.» Det er videre også i proposisjonen lagt til grunn at det er satt ned en arbeidsgruppe i departementet som oppfølging av Stortingets tidligere behandling, som vurderer hvordan dette på en praktisk måte kan gjøres, og som ivaretar de behovene kontrollutvalget har for å utføre sin jobb. Jeg oppfatter ikke at det nødvendigvis er en realitetsforskjell her, men komiteen oppfatter vel – i hvert fall slik jeg forstår det – at intensjonen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

Kommunalkomiteen innstiller enstemmig på at Stortinget samtykker til godtagelse av direktivet og viser i en felles merknad til fordelen av å ha felles europeiske regler for retur. Det styrker rettssikkerheten til tredjelandsborgere som oppholder seg i Europa. Innstillingen har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, som gir sin tilslutning uten ytterligere merknader. Den andre – sak nr. 8 – gjelder nødvendige endringer i utlendingsloven, som følge av vår tilslutning til direktivet. Komiteen inviterte til høring 10. november 2010. Ingen meldte seg. Å slutte at ingen har motforestillinger, kunne vært fristende, men det er kanskje å trekke det vel langt. Men forslag til endringer i utlendingsloven som følge av direktivet har altså vært på vanlig høring i regi av Justisdepartementet, så muligheten for å komme med synspunkter og forslag er ivaretatt. Returdirektivets formål er viktig. Det skal sikre en felles human og verdig retur av mennesker uten lovlig opphold i Schengens medlemsland. I juni i år behandlet Stortinget melding om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv, der vi ga vår tilslutning til videre arbeid med felles minstestandarder for asyl- og migrasjonspolitikken i Europa, konvensjoner. Da sa vi oss også villige til å være med på å reforhandle Dublin-forordningen for å få en mer solidarisk fordeling av ansvaret for mennesker i nød mellom landene i Europa. Når vi nå også får felles minstestandarder for retur av dem uten lovlig opphold, styrkes rettssikkerheten for tredjelandsborgere i hele Schengen-området ytterligere. ytterligere. Minstestandarder er minstestandarder og forhindrer ikke romsligere nasjonale regler om opphold av medmenneskelige, humanitære eller andre årsaker. I et kort innlegg er det ikke mulig å gå inn på alle bestemmelsene i returdirektivet som krever endringer, eller allerede er ivaretatt i utlendingsloven, og jeg henviser for så vidt til kapittel 1 i Prop. 3 L, som Jeg mener at det er viktig å understreke at det å være uten lovlig opphold ikke er ensbetydende med at folk har gjort noe galt. Det er f.eks. lov å søke asyl, men man skal returnere hvis søknaden avslås. I en del tilfeller er det likevel ikke så enkelt. Et viktig rettssikkerhetsprinsipp er derfor at vedtak om retur skal skje etter en individuell vurdering, der det skal tas hensyn til flere faktorer enn det ene faktum at oppholdet er ulovlig. Prinsippet om vern mot retur skal respekteres. Gjennomføring av direktivet skal også ta hensyn til barns beste, til familieliv og helse. Det anses dekket i norsk lovgivning allerede. Men hva som er barns beste, er ikke alltid like opplagt. I forarbeidene til den nye utlendingsloven har Stortinget fastslått at barns beste skal tillegges større vekt etter den nye utlendingsloven enn etter den gamle. Regjeringen har derfor igangsatt et arbeid med en egen melding om barn i migrasjon. Det blir en viktig debatt, for det vi vet, er at barn i slike saker alltid er underlagt voksnes vondt. Blant de mest sårbare er enslige mindreårige asylsøkere. Det er derfor positivt at rettsgarantien for denne gruppen styrkes med en lovendring om at tvungen retur bare kan skje til et familiemedlem, en utnevnt verge eller et tilfredsstillende returapparat. Samtidig er det viktig å forsikre seg om at frivillig retur av enslige mindreårige også skjer på en forsvarlig måte. Direktivet bygger videre på at retur så vidt mulig bør skje frivillig, og at det skal settes en frist for utreise, men det inneholder samtidig muligheter for bruk av tvangsmidler dersom noen forsøker å unndra seg retur. En ny bestemmelse lister opp hvilke forhold som skal vektlegges når en avgjør om unndragelsesfare foreligger. Det styrker rettssikkerheten til den enkelte og gjør slike Innstillingen fra komiteen er enstemmig, bortsett fra et par punkter der Fremskrittspartiet ønsker et sterkere inngrep overfor enkeltpersoner enn de andre partiene gjør. De går imot et forslag om redusert minstetid for innreiseforbud til ett år. De ønsker en økt periode for fengsling av dem som ikke samarbeider om retur, men jeg forutsetter at Fremskrittspartiet selv redegjør for sitt syn i saken og tar opp sitt forslag. For øvrig er innstillingen fra komiteen enstemmig. Det kan virke som om vi har diskutert EU-direktiv i hele dag, men dette er komiteen enstemmig. Det kan virke som om vi har diskutert EU-direktiv i hele dag, men dette er faktisk det første EU-direktivet som behandles i Stortinget i dag – og for så vidt også et ganske viktig et. Fremskrittspartiet har lenge etterlyst politikk på dette området som på mange måter er i overensstemmelse med de endringene som gjøres i utlendingsloven ved gjennomføring av returdirektivet. Vi er med i en enstemmig komité, men vi har altså, som saksordføreren refererte til,

skal dra for mye i de debattene vi har hatt i denne salen før – at Fremskrittspartiet den gang ble beskyldt for å bryte internasjonale konvensjoner, bl.a. når vi ønsket å bruke større grad av fengsling. Det som Fremskrittspartiet foreslo i sin alternative utlendingslov, var faktisk inntil 18 måneder. Det er det samme som i dag er maksimum etter returdirektivet. Det er litt interessant å merke seg at når Fremskrittspartiet foreslår omtrent det samme, så er det fælt og det er brudd på EMK – hva vet jeg med alle de angrepene vi får mot oss – men når et direktiv nå legger til grunn det samme prinsippet, så er det gangbar politikk, gangbar mynt, fra SV til Høyre. Det kan vel kanskje kalles et fremskritt? Og i så måte er jeg glad for at verden går i riktig retning. Fremskrittspartiet stiller seg som sagt bak returdirektivet. Vi vil gå litt lenger, og vi har muligheter til å utnytte et større handlingsrom i direktivet enn det man har valgt å gjøre. Men jeg registrerer at det er et samlet storting som allikevel står sammen om de store grepene som gjøres her.

Representanten Per-Willy Amundsen sa at det var bred enighet om dette fra Høyre til SV. Jeg vet ikke om han har definert høyre-venstre-skalaen på nytt i norsk politikk, men jeg synes det er gledelig at også Fremskrittspartiet i så stor grad slutter seg til dette direktivet. direktivet. Statsråd Storberget må jo være fornøyd med i hvert fall å kunne kjøre gjennom et direktiv i Stortinget så effektivt og enstemmig som dette, i forhold til den debatten vi hadde vorspiel på i stad. Så jeg gleder meg over den utviklingen, for det den utviklingen, for det er veldig viktig at vi har ikke bare en samlet norsk politisk opinion bak et slikt direktiv, men at det faktisk er en felles europeisk holdning til hvordan en skal behandle disse viktige og vanskelige spørsmålene. Høyre har sluttet seg til direktivet. Vi har noen merknader sammen med andre og på egen hånd. Jeg har lyst til å gå litt igjennom disse, for jeg tror det er viktig at vi også

få folk som har fått avslag på sin søknad, til å returnere til hjemlandet dersom det er mulig, frivillig, er en mye mindre smertefull prosess naturligvis enn en tvangsutsendelse. om en sender med dem en sjekk eller et beløp som de kan få dersom de frivillig returnerer, blir det mye rimeligere enn å ha politieskorte, ha opprivende scener, osv. Så jeg tror det er veldig viktig at vi er enda tydeligere på å stimulere til gode returordninger som gjør at folk faktisk innser at saken deres er prøvd, den er avslått, og retur er det riktige. Der har vi sett, så vidt jeg registrerer, en økning i frivillig retur også. Det er positivt, for det er absolutt det vi er mest tjent med, og som naturligvis er det mest humane. Men samtidig drar jo dette direktivet opp ganske klare rammer for hvordan en skal behandle folk som motsetter seg samarbeid, hvordan en skal takle den situasjonen som oppstår når noen har fått avslag, og de faktisk ikke ønsker å returnere frivillig. Jeg er glad for at det da er mulig å bruke flere virkemidler, at det er mulig å vise at her står samfunnet faktisk samlet bak, at samarbeider du, så får du så får du godvilje, du får muligheten til å returnere på en verdig måte. Men hvis du nekter å samarbeide, skal rettighetene dine innskrenkes når det gjelder å kunne bevege seg fritt i forhold til det å bruke lang til på nye prosesser. I så måte ser jeg fram til at vi også går videre med å behandle saksgangen hos utlendingsmyndighetene, hos UDI og UNE, med ankemuligheter, med omgjøringsbegjæringer, osv. Hvis en klarer å effektivisere det på en human og rettssikker måte, vil det bli mye også for asylanter eller asylsøkere at det i Norge er slik at har du krav på asyl, da får du innvilget oppholdstillatelse, du får en god introduksjonsordning, du får muligheter til å delta i arbeidslivet, i utdanning, osv. Har du ikke krav på asyl, kan du i hvert fall returnere til hjemlandet på en ryddig måte med bistand fra norske myndigheter på ulike måter. Men hvis du ikke ønsker å samarbeide,

Det er oppsiktsvekkende bred enighet, synes jeg. Det er veldig bra. Det gir et signal om at her i Norge har vi nå en samlet holdning til returpolitikken. Vi har en samlet holdning om at vi støtter EUs returdirektiv, og vi sender da et signal om at vi står samlet om en effektiv, men human returpolitikk. Kristeleg Folkeparti er

Ein føresetnad for retur er returavtaler med dei respektive land. For Kristeleg Folkeparti er det viktig at regjeringa held fram med arbeidet med returavtaler. Ikkje minst er det viktig at returar skjer i samsvar med FN sine tilrådingar. Prinsipielt synest me det er gale å fengsle menneske som ikkje har gjort ei straffbar handling, og som ikkje skal bli straffeforfølgde, men

Kristeleg Folkeparti si haldning er at framlegget som kjem frå regjeringa i dette dokumentet, ikkje tryggjar barn sine rettar godt nok. Eg må nok innrømme at eg er litt uroleg for om desse lovendringane i praksis svekkjer rettane til barn i Noreg. Det vil i så fall vere ei utvikling me ikkje kan akseptere. Fengslingsreglane som er foreslåtte, vil vere eit steg på vegen mot å kriminalisere asylprosessen. Dette er svært uheldig med tanke på Noreg sine folkerettslege forpliktingar til å beskytte personar i utsette situasjonar. Det kan òg synest som om hovudfokuset og formålet med dei nye føresegnene er å skremme menneske frå å søkje asyl i Noreg og Europa. Det er urovekkjande at det blir opna for at personar kan sitje innesperra i 18 månader i samband med retur. Fengsling i ein så lang periode kan vanskeleg bli proporsjonal sett i samanheng med utlendingen si handling. I mange tilfelle vil det heller ikkje vere naudsynt for returarbeidet at personen det gjeld, sit fengsla. Derfor vil eg seie at ingen barn fortener å måtte forlate heimen sin. Barn som er på flukt, fortener å bli møtte med omsorg og verdigheit. Ingen barn bør bli kasta i fengsel fordi dei har kome til Noreg for å søkje asyl. Jeg tenkte jeg skulle ta ordet for bare kort å konstatere at her er

som sikrer at mennesker som søker om asyl i Europa, får sine rettigheter innfridd, for det handler om en del grunnleggende ting. Vi diskuterte grunnleggende rettigheter og prinsipper i sted, i den forrige debatten vi hadde. Dette handler også om det samme. Det handler om den grunnleggende beskyttelsen mot å bli utsatt for umenneskelig behandling i andre land. Jeg skjønner godt den bekymringen som Kristelig Folkeparti har når det gjelder det at en del omtaler det å søke om asyl i Norge eller i andre land i Europa som nærmest kriminelt. Det er Jeg skjønner godt den bekymringen som Kristelig Folkeparti har når det gjelder det at en del omtaler det å søke om asyl i Norge eller i andre land i Europa som nærmest kriminelt. Det er det ikke. Det er en grunnleggende rettighet etter Flyktningkonvensjonen som vi bredt slutter oss til her i Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, som stadig vekk trekker tilslutningen til

asylsøkere under hele asylprosessen. Det er en politikk som jeg mener vil være Da havner vi virkelig i den båsen som representanten fra Kristelig Folkeparti var inne på her i sted, nemlig at vi kriminaliserer folk som er asylsøkere, fordi den strengeste reaksjonen vi som samfunn har overfor enkeltindivider, er fengsling eller frihetsberøvelse. Og hvis vi skal sende et signal til verden om at vi mener at alle de menneskene som kommer og søker om asyl, fortjener fengsling og frihetsberøvelse, så sender vi et ganske klart signal til verden. Det signal vil jeg ta sterkt avstand fra. Jeg mener at når vi legger til grunn det vi gjør her, nemlig at vi i forbindelse med både frihetsberøvelse, utsendelse og alt mulig sånn skal ha grunnleggende rettssikkerhetsgarantier på plass, så er det en linje som jeg mener det er bra at vi står for, og jeg er ikke overrasket over at Fremskrittspartiet egentlig ikke ønsker å slutte

om man kan gjøre seg noen tanker om det også, for dette er et direktiv som virkelig berører folks rettigheter og for så vidt også har konsekvenser for hvordan folk skal leve sine liv, i aller høyeste grad. Som det ble nevnt fra representanten Hellelands side, var dette også et sentralt tiltak i den stortingsmeldingen som ble behandlet om europeisk politikk på området. Jeg mener at det er helt avgjørende – jeg har sagt det i tidligere debatter og jeg sier det nå – hvis vi skal få en effektiv at vi klarer å samordne en del av de reglene som gjelder på dette området i Europa. Der spiller retur en veldig viktig rolle – vi ser det også i Norge – for å skape effekt i asylpolitikken. Det er gledelig at man nå også i Norge har klart å få opp antall returer, og få effektuert de negative vedtak som faktisk foreligger. I så måte mener jeg at returdirektivet

men som av den grunn ikke er kriminelle, skal få oppfylt sine rettigheter når vedtaket skal gjennomføres. Det er grunnlag for å understreke det. Norge har kanskje ikke hatt de største problemene med å implementere dette direktivet, men det er kanskje en god del andre europeiske land som virkelig må jobbe med å implementere dette. I så måte er jeg også glad for innspillene som kom fra Kristelig Folkeparti. Jeg mener at det skal man ha med seg. Vi får en god anledning til neste år å diskutere de spørsmålene, særlig relatert til barn, barn, som jeg tror er helt avgjørende. Jeg tror ikke det er særlig forskjell på det som representanten Ropstad nå påpekte om barns behov for beskyttelse og tvangsmiddelbruk overfor barn. Det tror jeg i realiteten er godt ivaretatt. Regjeringa legger vekt på at utlendinger som må forlate Norge, reiser frivillig. Representanten Trond Helleland var inne på det, og jeg er helt enig i hans vurderinger rundt dette. Det er best både for utlendingen og for myndighetene. I noen situasjoner er det nødvendig med reaksjoner som utvisning eller bruk av tvang for å få til retur. Gjennomføringen av returdirektivet innebærer at det skal treffes vedtak om utvisning med framtidig innreiseforbud i flere saker enn i dag overfor utlendinger som har ulovlig opphold. Etter direktivet og lovforslaget skal det således treffes vedtak om utvisning dersom utlendingen ikke gis en periode for frivillig retur, eller utlendingen ikke overholder utreisefristen. utreisefristen. Departementet har da anslått at direktivet vil føre til om lag 750 flere utvisningsvedtak årlig. Så det har konsekvens. For enslige mindreårige blir rettssikkerheten styrket ved at det blir nedfelt i loven at retur bare skal kunne skje dersom en enslig mindreårig kan returneres til et familiemedlem, en utnevnt verge eller til et annet forsvarlig omsorgstilbud. omsorgstilbud. Departementet har vurdert reglene om fengsling etter utlendingsloven i forhold til direktivet. Etter direktivet kan fengsling bare skje for en lengre periode enn seks måneder dersom utlendingen ikke samarbeider om utsendelsen, eller det er forsinkelser med å framskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter. myndigheter. Regelen etter utlendingsloven i dag er at fengsling ikke skal skje for lenger enn 12 uker med mindre det foreligger særlige grunner. Det vil i første rekke være situasjoner hvor utlendinger ikke samarbeider om retur, eller hvor forsinkelsen skyldes hjemlandets myndigheter, at det i dag vil være aktuelt med fengsling utover 12 uker. Departementet har derfor foreslått å fastholde hovedregelen om at fengsling ikke skal skje for mer enn 12 uker til sammen, framfor å utvide fengslingsperioden til seks måneder, selv om direktivet som sådant ville ha tillatt det. det. I tråd med hva direktivet krever, har departementet videre foreslått at det selv i de tilfeller hvor det kan fengsles for en lengre periode enn 12 uker, ikke skal kunne fengsles for lenger enn 18 måneder, som er maksimalperioden etter direktivet. Jeg vil understreke at Fremskrittspartiets forslag om at man ikke skal operere med noen annen grense for fengslingsperioden enn maksimalgrensen på 18 måneder i så måte er direkte direktivet. Jeg vil for øvrig framheve at den presiseringen som ligger i lovforslaget om hvilke momenter som kan være særlig relevante når man vurderer om det foreligger unndragelsesfare, både styrker utlendingens rettssikkerhet ved at det gis veiledning om innholdet i vurderingen, og samtidig tydeliggjør at det bl.a. er adgang til å legge vekt på om utlendingen er ilagt straff eller er ansvarlig for alvorlige ordensforstyrrelser på asylmottak. Det blir replikkordskifte.

alle mener er best. Jeg er glad for å få det spørsmålet, for jeg er helt enig. Det er noe av det aller viktigste vi gjør. Én ting er å få returavtalene; en annen ting er å få dem til å fungere. Det har vi lagt mye vekt på, bl.a. i kontakten med irakiske myndigheter, hvor vi har returavtale. Returopplegget til Afghanistan er drøftet både her i

land som vi får asylsøkere fra, selvfølgelig – særlig da knyttet opp mot der hvor det nå gis visumfrihet, må man sikre det ved å ha returavtale. Vi så hvor viktig det var i forhold til Makedonia, Montenegro og Serbia – var det vel – hvor Norge var parat, raskt ute med 48-timersfrist for behandling av søknader og 72-timersfrist for utsendelse. Vi så at antall asylsøkere sank. Nå i år har vi inngått to–tre – er det vel – nye avtaler med Armenia, Kosovo og Kasakhstan, så dette arbeidet har stort trykk.

Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter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

frå årsskiftet. Den saka som ligg føre, har også samanheng med behandlinga av statsbudsjettet. Nokre av forslaga er ukompliserte og uproblematiske å støtte, mens andre er vanskelegare. I fleire av forslaga er det derfor heller ikkje ein samrøystes komité. Dei tre regjeringspartia støttar alle dei forslaga som regjeringa har lagt fram, Framstegspartiet har eigne forslag, mens Kristeleg Folkeparti og Høgre går imot eit av forslaga. Eg vil kort kommentere dei viktigaste forslaga. Det er positivt at foreldrepengar, svangerskapspengar og svangerskapsrelaterte sjukepengar no skal telje med som arbeidsinntekt i kravet til minsteinntekt for å få dagpengar. Det vil bety at særleg fleire kvinner vil få rett til dagpengar når dei blir arbeidsledige. Mange er nok ikkje like tilfredse med at særreglane for retten til dagpengar som me no har for arbeidstakarar over 64 år, blir tekne bort. Komiteens fleirtal, alle unntatt Framstegspartiet, er likevel komne til at dette er ei endring som kan aksepterast. Særreglane kan føre til at dagpengar blir brukte som førtidspensjonering, og at alderspensjonen blir spart til seinare. Ein stor del av arbeidstakarane vil frå nyttår få rett til fleksibel alderspensjon eller ny AFP og vil kunne ha nytte av det. Dei vil òg ha rett til dagpengar i inntil to år, etter vanlege reglar som gjeld for andre og yngre arbeidstakarar. Det blir òg ei overgangsordning for dei som allereie er inne i systemet, slik at dei ikkje får noka endring i 2011. Folkeparti støttar endringa, men me meiner at det er særs viktig å følgje med på korleis endringa vil slå ut, og om ho får uheldige verknader. Det er spesielt viktig at Nav brukar ressursar på å følgje desse arbeidssøkjarane godt opp, slik at flest mogleg vel å klare å kome ut i arbeid. arbeid. Regjeringa, med støtte frå regjeringspartia, foreslår ei innstramming i regelverket for sjukepengar frå trygda til personar over 67 år. I dag har personar over 67 år som tek ut alderspensjon, ein avgrensa sjukepengerett: 60 dagar dersom inntekta er over 2 G. No innfører ein tilsvarande for dei som ikkje har valt å ta ut Dette er eit dårleg seniortiltak, og Kristeleg Folkeparti, Framstegspartiet og Høgre støttar derfor ikkje lovendringa. Mange arbeidstakarar har gjennom tariffavtalar rett til full løn under sjukdom. Det gjeld bl.a. i det statlege tariffområdet og andre som følgjer dette regelverket. Det gjer at lovendringa vil skyve utgifter over på arbeidsgivarane, mens folketrygda sparar pengar. Etter Kristeleg Folkepartis oppfatning er ikkje dette eit tiltak som vil stimulere arbeidsgivarar til å tilsetje eldre arbeidstakarar. ein altså ei pensjonsordning som betyr at alle må stimulerast til å arbeide lenger for å få same pensjon som i det tidlegare systemet. Det er bra. Men med den andre handa gjer regjeringa det no vanskelegare for dei som ønskjer å arbeide lenger. Resultatet kan bli at enkelte blir nøydde til å ta ut pensjon tidlegare enn dei hadde tenkt. Då lykkast ein ikkje med dei intensjonane som er bak bl.a. Pensjonsreforma.

Regjeringa foreslår ei avgrensing i lengda på arbeidsavklaringpengar for personar som tidlegare har motteke sjukepengar i ei viss tid dei siste tre åra og igjen blir arbeidsuføre, og personar som ikkje er i aktiv behandling eller deltek på arbeidsretta tiltak. Kreftforeininga har i høyringsrundar peika på at dette kan ramme enkelte kan ramme enkelte kreftpasientar med lang behandlingstid og svingane utvikling. Kristeleg Folkeparti er usikker på korleis lovendringa kan slå ut. Når me likevel vel å støtte endringa, legg me til grunn at departementet vil sjå nærare på denne problemstillinga og vurdere om det er behov for å utvide

for dagpenger for personer over 64 år, som nå fjernes. Dette forplikter etter min oppfatning arbeids- og velferdsetaten til å legge like stor vekt på eldre arbeidssøkere som på yngre. Jeg minner i den forbindelse om at grunnen til at det i sin tid ble innført særregler for arbeidsledige over 64 år, nettopp var

altså alle partier unntatt Fremskrittspartiet, forutsetter at ingen skal stå uten ytelse i 2011. Ingen skal med andre ord være nødt til å søke sosialhjelp som følge av at særreglene blir opphevet. Jeg forutsetter også at Nav, som lovet, følger opp arbeidsledige over 64 år, og at det rapporteres særskilt om dette. Jeg antar at departementet vil finne en anledning til å rapportere videre til Stortinget. På ett punkt i denne samleproposisjonen er det også uenighet mellom forlikspartiene. Det gjelder sykepenger for arbeidstakere i alderen 67–70 år. Det er ingen uenighet om at alle som har pensjonsgivende inntekt, skal ha full rett til sykepenger fram til 67 år, selv om de i tillegg tar ut alderspensjon og AFP i privat sektor. Det er når arbeidstakerne fyller 67 år uenigheten oppstår. Her mener og regjeringspartiene at sykepengene rimeligvis bør avkortes til 60 dager, forutsatt at arbeidsinntekten altså overskrider to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Når arbeidstakeren har fylt 70 år, vil det ikke kunne kreves Jeg går ut fra at mindretallspartiene da vil argumentere for sitt standpunkt. Sluttelig vil jeg bemerke at personer som i perioder får aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging, også må sikres rett til arbeidsavklaringspenger. Det gjelder også om de tidligere har mottatt slik ytelse og er blitt syke igjen. Blant andre kan dette gjelde kreftpasienter. Med de endringene som nå gjøres i regelverket, antar jeg at disse er fanget

helt enig i den argumentasjonen som saksordføreren bruker, og derfor har vi også sluttet oss til det i merknads form og fremmer sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti et alternativt forslag til vedtak i dag. Jeg synes det er litt merkelig at man legger opp til en ny reform, som det er påpekt, som skal motivere flere til å stå lenger i arbeid, samtidig som at de som gjør det, ikke skal ha de samme rettighetene som andre yrkesaktive fordi de har fordi de har passert en viss alder. Jeg synes med respekt å melde at det er aldersdiskriminerende, og det er ikke i tråd med god seniorpolitikk, etter mitt skjønn. Det er bakgrunnen for at Fremskrittspartiet fremmer det forslaget.

så er det stopp, og så blir de det jeg kaller tvangspensjonert og/eller uføretrygdet. Når det gjelder supplerende stønad, viser jeg til våre merknader både i budsjettinnstillingen og i tidligere debatter. Vi mener at dette er et område som bør over på kommunal, og anser at de endringene som gjøres nå, er å linke denne ytelsen i større grad opp til pensjonssystemet. Når det gjelder dagpenger,

Hvilke andre typer ytelser er det? Jo, det betyr at de enten blir satt over på pensjon – nærmest mot sin vilje ved at de må ta ut tidligpensjon, fordi det ikke er andre muligheter for inntektssikring – eller de må få uførepensjon. Det synes Fremskrittspartiet blir en utrolig feil vei å gå, og vi mener at det også er helt ulogisk i forhold til det som det legges opp til i pensjonsreformen, og i forhold til at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid.

arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. For å styrke kvinners rettigheter til dagpenger foreslår regjeringen å ta svangerskapspenger, svangerskapsrelaterte sykepenger og foreldrepenger inn i kvalifikasjonsgrunnlaget for rett til dagpenger. styrker kvinnelige arbeidstakere i forbindelse med graviditet og fødsel. Regjeringen foreslår å oppheve særreglene for dagpengemottakere på 64 år eller mer. Avvikling av særreglene innebærer at dagpengeregelverket for eldre blir likt det som gjelder for øvrige dagpengemottakere. For å sikre forutsigbarhet for dagpengemottakere som allerede er berørt av særreglene, foreslår regjeringen en overgangsperiode på ett år. Arbeidsdepartementet vil be Arbeids- og velferdsdirektoratet om å følge ledige i denne gruppen særlig opp, som flere har sagt i denne salen tidligere, med sikte på å hjelpe dem som trenger det til å komme tilbake i arbeid. Innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år arbeids- og pensjonsinntekter uten avkorting. I proposisjonen foreslår regjeringen at dagpengene ikke skal samordnes mot alderspensjon og ny AFP i privat sektor, og at arbeidsavklaringspenger ikke skal samordnes mot alderspensjonen. Den nye alderspensjonen innebærer også at det er nødvendig å gjøre tilpasninger i sykepengeregelverket fra 1. januar 2011 for personer over 62 år. Regjeringen foreslår at personer mellom 62 og 67 år fortsatt skal ha fulle sykepengerettigheter som i dag. Personer mellom 67 og 70 år med arbeidsinntekt over 2 G får en begrenset rett til sykepenger i inntil 60 dager uavhengig av om det er tatt ut alderspensjon. Et mindretall går imot dette siste forslaget og mener det innebærer at en større kostnad skyves over på arbeidsgivere som betaler full lønn under sykdom. Det er riktig at personer mellom 62 og 70 år som ikke tar ut alderspensjon, har fulle sykepengerettigheter i dag. I praksis er det imidlertid få eller ingen som vil tjene på ikke å ta ut alderspensjon ved Uttak av pensjon er heller ikke til hinder for at man opptjener større pensjon fram til 70 år. Man har følgelig ingenting å tape på å ta ut alderspensjon, og for de fleste vil sykepenger i inntil 60 dager ved siden av en full alderspensjon gi en høyere samlet utbetaling enn kun sykepenger. I proposisjonen foreslås det også at perioden der en kan få arbeidsavklaringspenger uten å fylle arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten eller kravet om at en skal ha behov for behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten skal begrenses til seks måneder. Personer som etter de seks månedene har behov for bistand for å komme i arbeid, vil kunne få arbeidsavklaringspenger etter hovedregelen.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

Både sjømannsorganisasjonene og Fiskarlaget er svært tilfreds med at Stortinget i dag gjør endringer i pensjonstrygden for sjømenn og for fiskere. Pensjonsordningene tilpasses nå pensjonsreformen. Verken sjømannspensjonen eller fiskerpensjonen skal levealdersjusteres eller samordnes. Pensjonstrygden for sjømenn er en tidligpensjon for aldersgruppen fra 60 til og med 66 år. Den omfatter norske statsborgere og personer som er fast bosatt i Norge som har vært ansatt på norske skip og flyttbare innretninger over 100 bruttotonn, registrert i norsk register. Ved siste årsskifte omfattet pensjonsordningen om lag 28 000 sjømenn. Fiskerpensjonen omfatter alle fiskere som er registrert på blad B i fiskermantallet, som altså har fiske og fangst som heltidsyrke.

Dagens samordningsregler gjelder imidlertid for alle som har tatt ut AFP før 1. januar 2011 og for AFP i offentlig sektor. Sjømanns- og fiskerpensjonene samordnes ikke med ny AFP i privat sektor. Sjømannspensjonen og skal årlig reguleres som de fleste andre lovfestede pensjonsordninger, dvs. med lønnsveksten i samfunnet fratrukket 0,75 pst. Selv om dette gir en lavere utvikling av kjøpekraften i forhold til lønnsveksten hos de yrkesaktive, vil både sjømenn og fiskere sikres en god og stabil kjøpekraftsutvikling, på linje med andre pensjonister. Som en del av sjømannspensjonsordningen ytes det et overgangstillegg til alderspensjonister i de tilfellene sjømannspensjonen er høyere enn alderspensjonen. Overgangstillegget svarer til differansen mellom sjømannspensjon og alderspensjon. I dag innfører Stortinget et krav om såkalt inntektsbortfall for arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Jeg tror ikke begrepet er å finne i norske ordlister. Det betyr imidlertid at personer som har fylt 62 år, må ha tapt inntekt i størrelsesorden folketrygdens grunnbeløp, altså rundt 75 000 kr siste år, for å kunne søke arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Det betyr at opptil 60 personer vil kunne miste retten til arbeidsavklaringspenger, og opptil 300 personer vil kunne miste rett til uføretrygd. I den grad dette vil bidra til at flere vil øke sine stillingsbrøker og stå lenger i stilling, vil det styrke arbeidslinja. Men i den grad det fører til at noen i små stillinger uten fulle rettigheter i alderstrygden tvinges over i en varig lav alderspensjon, er det uheldig. Jeg underslår derfor ikke knyttet til dette forslaget. Men tatt i betraktning at regjeringen i løpet av 2011 skal ha en gjennomgang av midlertidige trygdeytelser med det formål å unngå doble ytelser, støtter vi i dag regjeringens forslag. Jeg forutsetter at departementet i den sammenheng ser nærmere på konsekvensene av dette kravet, og at man unngår uheldige virkninger av det.
Neste taler er representanten

Så til det området der man har litt uenighet, og som også saksordføreren var inne på, nemlig dette med korttidsytelser. Og nok en gang synes jeg det er synd at man får saker om midlertidig regelverk med så liten mulighet til en god saksbehandling. Komiteen har også her hatt få dager på her hatt få dager på seg til å gå gjennom saken. Og jeg merker meg det departementet selv sier, at korttidsytelsene er utfordrende for reformen. Skal man kunne ha en forsvarlig behandling og la demokratiet få muligheten til å fungere optimalt, er det helt avgjørende at man kan få lov til å sette seg inn i sakene. sakene. Dette er ikke første gangen pensjonssaker har kommet sent til behandling til komiteen. Samtidig begynner det nå å bli en god stund siden prinsippene, lovgivningen, kom på plass når det gjaldt ny alderspensjon. Man burde hatt forholdsvis god tid i departementet, og også fra regjeringens side, til å lagt fram tilpasninger og gitt komiteen mulighet til en mye grundigere og mer forsvarlig saksbehandling. Akkurat dette er sagt så mange ganger fra denne talerstolen at jeg trodde regjeringen kanskje tok det inn over seg, og tok det med seg i sitt videre arbeid. Det blir sagt gang på gang at man skal gjøre det, men det skjer ikke. Det synes jeg er synd. I tillegg registrerer jeg at man skal komme tilbake til korttidsytelsene i løpet av 2011 med et permanent regelverk. Det er vel og bra, og det ser jeg fram til, men samtidig kompliserer jo dette forholdene enda mer, ved at man har massevis av midlertidig regelverk der man ikke i det hele tatt har muligheten til å se helheten i pensjonsreformen,

Først vil jeg begynne med å gi ros til saksordføreren som holdt et godt innlegg og et viktig innlegg. Jeg vil be departementet og statsråden merke seg de kommentarene som saksordføreren hadde, og jeg skal komme litt mer inn på det i mitt innlegg. Komitélederen, representanten Robert Eriksson, sa at det var «synd» at saken kom så sent til Stortinget. Jeg vil si at det er sterkt kritikkverdig at saken kom så

lovverk. Det er lang tid siden pensjonsreformen ble vedtatt og fulgt opp. Regjeringen har lenge visst når den skulle tre i kraft. Derfor mener jeg det er kritikkverdig at proposisjonen ikke er lagt fram for Stortinget tidligere. Jeg mener at regjeringen har satt Stortinget i en helt umulig situasjon, for enten måtte vi sitte der uten et lovverk eller bli tvunget til en uforsvarlig saksbehandling. uforsvarlig saksbehandling. For meg virker det som om regjeringen føler at den kan gjøre hva den vil overfor Stortinget bare fordi den har flertall. Og det er en måte å håndtere Stortinget på

år. Jeg kan forstå at det er behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket for alle korttidsytelser, og hvordan forholdet mellom disse og den nye alderspensjonen skal være for personer over 62 år. Jeg tror mange i komiteen har syntes dette har vært en vanskelig problematikk, og ser fram til å drøfte det mer, men det skulle kommet mye tidligere. Jeg kan ikke forstå at det er nødvendig å innføre de reglene som en nå foreslår,

Det er ca. 80 når det gjelder arbeidsavklaringspenger, og ca. 300 når det gjelder uføretrygd. Det er snakk om mindre innsparinger i utbetalingene fra de to ytelsene, ubetydelig økning i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp og en viss administrativ merbelastning for Nav, ifølge proposisjonen. Eller sagt med mine ord: Det er null å spare, men det er mer byråkrati og mer å gjøre for Nav, som allerede har mer enn nok å gjøre. Men for de enkeltmenneskene innstrammingen gjelder, kan det bety redusert levestandard resten av livet. Den fleksible alderspensjonen blir en tvang istedenfor et frivillig gode. Det vil ikke Kristelig Folkeparti gå med på. Saksordføreren har redegjort på en god måte for innholdet i proposisjonen som er

behandler saken, og at de foreslåtte lovendringene kan vedtas sånn at de iverksettes fra 1. januar – fra samme tidspunkt som pensjonsreformen for øvrig. Arbeidet med pensjonsreformen har jo pågått over flere år og er basert på brede politiske forlik i Stortinget. Reformen bidrar til å sikre et bærekraftig pensjonssystem også i framtiden, og det er viktig med bred oppslutning om reformen. Pensjonssystemet er en viktig bærebjelke i velferdsstaten, og endringene i pensjonssystemet vil ha virkning for mange i lang tid framover. Fra 1. januar blir det mulig med fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden for dem over 62 år. Det innføres levealdersjustering av pensjoner, og den årlige reguleringen av pensjoner løsrives fra folketrygdens grunnbeløp. Fortsatt vil pensjonistene være sikret en god kjøpekraft. De nye reglene i folketrygden gjør det nødvendig med tilpasninger i tidligpensjonsordningene for sjømenn og fiskere og i ordningen med supplerende stønad. Med det foreliggende forslaget kan sjømannspensjon og fiskerpensjon gis ved siden av alderspensjon fra folketrygden mellom 62 og 67 år. Videre skal sjømannspensjon og fiskerpensjon under utbetaling reguleres som alderspensjon i folketrygden. Det er også varslet at det skal foretas en bredere gjennomgang av ordningene med sikte på å finne fram til varige tilpasninger til de nye reglene i folketrygden. I ordningen med supplerende stønad til folketrygden skal stønadsmottakerne være sikret folketrygdens minsteytelse. I det nye pensjonssystemet videreføres ikke særtillegget og minstepensjonen. Minsteytelsen vil være et definert minste pensjonsnivå, og utmålingen av supplerende stønad må knyttes til dette. Det foreslås også at supplerende stønad skal reguleres tilsvarende Jeg har merket meg at Fremskrittspartiet går inn for at supplerende stønad fortsatt skal reguleres i takt med grunnbeløpet. Resultatet ville jo bli at dagens alderspensjonister med minstepensjon etter hvert ville gå over på supplerende stønad, og det ville være meningsløst. Som ved innføringen av ordningen bør supplerende stønad fortsatt svare til minste pensjonsnivå i folketrygden. Som varslet i budsjettet, foreslås det at det innføres et krav om inntektsbortfall for rett til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon for personer over 62 år. Det foreslås at kravet likevel ikke skal gjelde dersom medlemmet ikke mottar ytelser som gjenlevende ektefelle på minste pensjonsnivå, eller ikke har rett til uttak av hel alderspensjon. I tillegg er det fremmet enkelte forslag av mer karakter. Jeg er glad for at komitéflertallet støtter forslagene som er til behandling i dag. Med dette forslaget blir det tatt et viktig skritt videre med tilpasninger i pensjonssystemet til ny alderspensjon fra folketrygden. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og

Men når eg likevel først har gått opp på talarstolen, vil eg knyte nokre kommentarar rundt Nav, for etter at statsbudsjettet blei lagt fram, har ein sett ein del utfordringar som har kome til syne rundt om i forskjellige fylke. Ein har opplevd at det er leiarar på Nav-kontor som har sagt opp stillinga si i protest mot uforsvarlege løyvingar til løyvingar til driftsbudsjetta. Det må eg seie bekymrar meg. Nav er eit av dei viktigaste verkemidla me har for å skape velferd, for å hjelpe folk tilbake i arbeid og for å møte folk på ein god måte og gi dei den hjelpa dei treng. At Nav ikkje fungerer optimalt, er for så vidt ikkje ei nyheit. Men eg må seie det sånn at sett frå Kristeleg Folkeparti si side har Nav gjort betydelege framskritt, og mykje fungerer bra. Men når ein ser dei signala som no kjem, blir det tid då ein begynte å få ting på gang, blei kutta ute i dei lokale Nav-kontora. Det blei dermed ekstra store utfordringar å nå måla om å unngå restansar, om å få folk tilbake i arbeid, om å hjelpe med arbeidsevneavklaring, osv. Derfor vil eg berre varsle at frå Kristeleg Folkeparti – i finanskomiteens innstilling og salderinga der – vil det kome fleire midlar til Nav på budsjettet som kan overførast til neste år. neste år. Aller først vil jeg ta opp det forslaget Fremskrittspartiet fremmer, der vi har foreslått at man bevilger

om vårt forslag skulle få flertall, at man kan overføre de midlene til 2011. Men med tanke på at statsråden skal ha ordet etter meg, har jeg lyst til å stille tre spørsmål som statsråden kanskje kan svare på, knyttet til bevilgninger. Jeg viser da først og fremst til brev som er sendt fra Ketil Solvik-Olsen, der statsråden sier i sitt svarbrev: «Så vidt jeg kan se har Petroleumstilsynet imidlertid ikke uttrykt et umiddelbart behov for økt bemanning dersom det skal kunne ivareta sine pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, slik som representanten Solvik-Olsen hevder.» Jeg viser videre til det brev undertegnede har sendt til statsråden 8. desember, som vi ikke har mottatt svar på ennå, og kanskje kan jeg få svarene på de spørsmålene i salen her. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at det ikke på noe tidspunkt i forbindelse med statsbudsjettarbeidet er mottatt innspill fra Petroleumstilsynet om at det er behov for 22 nye stillinger? Og videre: Er det mulig for arbeids- og sosialkomiteen for fremtiden å få kopi av eventuelle innspill som kommer inn til budsjettbehandling? budsjettbehandling? Mener statsråden at Petroleumstilsynet har gitt feil informasjon i forbindelse med oppslaget i TV 2-nyhetene den 26. november? Jeg håper statsråden kan gi utfyllende svar på de spørsmålene, som også kan være klarleggende i forhold til de voteringene vi skal gjøre senere. Representanten Robert Eriksson har tatt opp det forslaget han refererte til.

prioritere strengt på grunn av oppfølging av ulike aktiviteter knyttet til ulykken i Mexicogolfen. Direktøren for tilsynet har framholdt overfor TV 2 at tilsynet på grunn av fusjon mellom Statoil og Hydro har fulgt Statoil tett og fortsatt vil måtte prioritere det. Det innebærer imidlertid ikke at tilsynet ikke bruker tid på andre og viktige oppgaver.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

Det er et viktig forslag som fremmes av representantene for Kristelig Folkeparti når det gjelder bedre vilkår og forenkling for småbedriftene. Viktigheten understrekes også av at det ikke er første gang dette debatteres i denne sal i høst. Det har vært representantforslag, det har vært spørsmål, det har vært interpellasjoner – og grunnen er åpenbar: Det går svært sakte, om det i det hele tatt har vært noen fremdrift i arbeidet med forenkling. forenkling. Det er en betydelig utålmodighet i næringslivet, særlig blant de små og mellomstore bedriftene. De kjenner dette best. De har liten kapasitet til skjemaarbeid, byråkrati og rapporteringer. Ofte er også bakgrunnen og kompetansen begrenset, og man vil helst ikke kjøpe kostbar hjelp for å få dette gjort. Komiteen står samlet bare i ett utsagn av betydning for SMB. Men jeg fester meg litt ved det, for det er dette med å få fastsatt et kvantifiserbart mål for forenklingsarbeidet. Slik forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti ønsker det, mener man at dette kan skape en merkbar og målbar endring til det bedre i bedriftenes hverdag. Det slutter faktisk komiteen seg til. Det er et halmstrå, fordi det ikke er sagt noe om når det skal skje. Men for bedriftene er det det eneste halmstrået de har hatt å holde seg i i den senere tid, og derfor synes jeg det er et viktig budskap. Men det er grunn til stor bekymring for når regjeringen vil få i gang dette arbeidet. Vi vet at både statsråden og komiteens leder nærmest har lovt at revisjonsplikten skal tas vekk for små bedrifter. Men så langt går bedriftene helt uvitende inn i sitt nye driftsår, eller om hvorvidt de vil etablere seg i 2011, uten å vite det minste om hva den saken vil bringe. Det eneste jeg har lest i media, er at man mener i departementet at det er god tid fortsatt til å vedta en fjerning av revisjonsplikten, fordi selskapene ikke velger revisor før innen 30. juni. Det er i beste fall kunnskapsløst å avfeie det på den måten. Det holder i formalitetens verden, men ikke i virkelighetens. Det er dessverre et gjennomgående trekk fra regjeringen at de positive utsagnene som kommer, er når media bringer sakene opp. I praksis skjer det mindre og egentlig ingenting. Det som har skjedd i det siste, er at statsråden også nå trekker selve potensialet for forenkling i tvil og vil definere det på en annen måte. Det skal utarbeides nye metoder, og jeg forstår at statsråden reiser til utlandet for å finne ut av dette. Senest så jeg i Dagens Næringsliv på lørdag at statsråden hadde vært i Danmark og Nederland. Han kom med relativt overraskende meldinger, etter å ha skrevet til komiteen tidligere om at om at dette er land som har kommet langt i sitt arbeid med forenklinger, og som har redusert med 25 pst. Så leser jeg nå at dette likevel ikke er noe å sammenligne seg med, for de hadde et utgangspunkt som var svært dårlig, og først nå nærmer seg norsk nivå. Jeg tror jeg vil anbefale regjeringen og statsråden å dokumentere både vårt eget nivå og andres nivå, før man går videre i denne saken. Kristelig Folkepartis representanter foreslår en rekke viktige tiltak i dokumentet. Det gjelder fastsetting av mål på 25 pst. Det gjelder revisjonsplikten for små selskaper. Det gjelder forenklet aksjelov. Og det gjelder mindre endringer i arbeidsmiljøloven for å gjøre det mindre risikabelt med ansettelser i små bedrifter. Noen ord om akkurat det, det, for det avfeies nokså bryskt av de rød-grønne i merknader, som skriver at det fører til en fornøyd og lojal arbeidsstokk med fast ansettelse. Det gjør det helt sikkert. Men tenk litt på hvilken risiko det er å ansette medarbeidere for nyfødte gründere. Dette er den største investeringen og forpliktelsen man noensinne gjør i småbedrifter. Høyre er enig i og støtter retningen på mange av forslagene fra Kristelig Folkeparti, og vi vil stemme for de fleste. Fremskrittspartiet fremmer også en rekke forslag i innstillingen. Dem har Høyre støttet tidligere, da saken ble behandlet i finanskomiteen for et års tid siden. Vi har bedt om en gjennomgang og vurdering av samtlige forslag, så dem tar ikke vi særskilt stilling til i denne

refererte til. Vi raud-grøne er opptekne av at bedriftene og deira tilsette og eigarar har gode og føreseielege rammevilkår for å skapa verdiar og arbeidsplassar. Små og mellomstore bedrifter utgjer ein stor del av bedriftene i Noreg, og tal frå SSB viser at føretak med færre enn 100 tilsette utgjer meir enn 99 pst. av landets totale føretak. Derfor har regjeringa sett i gang ei rekkje tiltak for å sjå på og setja i verk tiltak nettopp for forenkling og å få på plass gode, langsiktige og føreseielege rammevilkår. Noreg er kåra av Verdsbanken til å vera verdas åttande beste land å starta, eiga og driva næringsverksemd i, så noko bra må jo denne regjeringa ha gjort, sidan ho har regjert dei siste seks åra. Dette kjem på likt med at vi på ny er kåra til verdas beste land å bu i. Eg kjenner ikkje til andre land som er på topp på begge desse parametrane. Vi fekk overlevert ein rapport i førre veke der Noreg vart lyfta fram som eit rapporteringsmessig skatteparadis. Det var ein rapport frå Verdsbanken. I

Det er litt vanskeleg å få tak i heilt konkret kva dei firkanta avgjerdene er som gjer det risikabelt for småbedrifter å tilsetje i faste stillingar. Vert det her vist til at den raud-grøne regjeringa har reversert den førre regjeringa si brutalisering av arbeidslivet og sikra arbeidsfolk sine rettar? Høve til å auka arbeidstida til 13 timer per dag

Noreg har lojale arbeidstakarar, og norske arbeidstakarar er svært produktive. Den norske modellen med trepartsamarbeidet er viktig å vareta, og her trudde eg verkeleg Kristeleg Folkeparti var på regjeringa si side. Mange av framlegga her i dag har vi diskutert opptil svært mange gonger, og eit stadig tilbakevendande tema er skattelette. Då komiteen var i Singapore no i haust, fekk vi høyra at dei var superraske med å omregulera og arealplanleggja til beste for næringsutvikling. Denne jobben er det kommunane som har i Noreg. Viss ein f.eks. tek vekk formuesskatten, vil dette svekkja kommuneøkonomien med rundt 9 mrd. kr. Det er vanskeleg å sjå at kommunane skal kunna handsama fleire arealplanleggingssaker med ei stryping av kommunane sine økonomiske Noko av det som er bra med Noreg, er at det er små skilnader mellom folk. Vil verkeleg Kristeleg Folkeparti ha eit samfunn der det er eit stillingsvern for dei som jobbar i små bedrifter, og eit for dei som jobbar i store bedrifter? Det vert jo eit konkurransefortrinn for dei store, som alle vil søkja seg til. For kven vil vera mellombels tilsett ? Fjerning av formuesskatt og arveavgift har vi diskutert svært mange gonger. Eg vil berre på vegner av oss raud-grøne poengtera to ting. Det er nettopp den sitjande regjeringa som faktisk har gjort noko med formuesskattlegginga, slik at ca. 500 000 færre betalar formuesskatt no enn under den framstegspartistøtta Bondevik-regjeringa. Formuesskatten gjer at òg at dei aller rikaste betalar skatt og at dei aller rikaste betalar skatt og er såleis med på å legitimera skattesystemet, der alle skal bidra. I fleire debattar har vi høyrt Høgre seia at det er andre middel for å ta nullskatteytarane enn formuesskatt. Likevel har eg ikkje høyrt konkrete framlegg til kva dette er, men eg ser fram til at det vil koma. Tanken bak lærlingkravet er veldig bra. Men slik eg les § 3-11, er denne intensjonen alt vareteken i dagens lovverk. Når det gjeld reduksjon av skjemavelde, er faktisk komiteen einig om eit kvantifiserbart mål. Det er godt å slutta med det vi er einige om. Representantene fra Kristelig Folkeparti har fremmet en

men som sagt viser det nettopp både engasjementet og ikke minst også det faktum at ting skjer veldig sent. Det er klart at man kan godt prøve å avspore debatten, som nå sist representanten Heggø gjorde, og snakke om at dette forslaget dreier seg om et brutalisert også med den arbeiderpartistøttede Bondevik-regjeringen? For selv om representanten sa at Fremskrittspartiet støttet Bondevik-regjeringen, vil jeg minne om at Arbeiderpartiet var inne og støttet Bondevik-regjeringen i et av de budsjettene man hadde der. Så vi får se hvilke av disse budsjettene som var det mest brutaliserende, som representanten var inne på. Jeg vil ta opp de forslagene som Fremskrittspartiet står alene om i

Representantene fra Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer også forslag nr. 28: ber regjeringen vurdere å fjerne revisjonsplikten for små foretak.» Bakgrunnen for at Fremskrittspartiet ikke er med på det forslaget, er at vi allerede for lang tid tilbake fremmet et representantforslag om å fjerne revisjonsplikten for selskap som har en omsetning på under 5 mill. kr. Videre har også Fremskrittspartiet fremmet et forslag om å redusere oppbevaringsplikten fra ti til fem år. Det ligger til behandling i finanskomiteen. Så vi har konkludert, og da trenger vi ikke å vurdere å fjerne revisjonsplikten. Det skal bli spennende å se når vi får måltallet på bordet, hva måltallet blir for statsråden, implementeringshastigheten – hvor raskt det kommer på plass. Ja, det skal bli spennende å følge denne saken, men jeg tror nok dessverre ikke det er siste gang vi står på denne talerstolen og diskuterer disse tingene. Men la oss håpe at vi snart begynner å få resultater av det. Det er viktig, for det dette dreier seg om, er jo nettopp å gjøre rammevilkårene enklere for disse små og mellomstore bedriftene, og det er i hovedsak det som er selve bærebjelken i det norske næringslivet. Det er det som kommer til å bringe oss videre, både innenfor teknologi, gründervirksomhet – det å få nye ideer og visjoner og komme videre. Derfor er det viktig at vi legger rammevilkårene til grunn, sørger for at det blir enklest mulig og bruke minst mulig tid på rapportering. De forslagene som Fremskrittspartiet står alene om, er gode forslag. Så jeg håper statsråden vil se på dem når han kommer tilbake til sitt lønnkammer i gata her oppe. Jeg håper han kan sette seg ned, se på disse tingene – og kanskje komme på dem selv. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp de forslagene han refererte til. Kristelig Folkeparti ønsker å forbedre de grunnleggende rammevilkårene for verdiskaping, slik at Norge også i fremtiden kan tilby innbyggerne gode velferdstjenester. I denne sammenhengen er vilkårene for mindre bedrifter helt sentralt. Vi vil føre en økonomisk politikk som fremmer nyskaping og næringsutvikling, og som gir forutsigbarhet for dem som vil investere i arbeidsplasser. I dokumentet vi behandler i dag, foreslår Kristelig Folkeparti en rekke tiltak for å bedre vilkårene for mindre bedrifter gjennom tiltak for et enklere arbeidsliv, bedre vilkår for verdiskaping, enklere hverdag og bedre samhandling mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Som representanten Flåtten nevnte, får flere av forslagene støtte fra de andre mens regjeringspartiene dessverre ikke vil prioritere tiltak for å sikre denne verdiskapingen i mindre bedrifter. Småbedriftene står for over halvparten av verdiskapingen i norsk næringsliv. Småbedriftene er innovative og omstillingsdyktige, men det er krevende for dem å overleve og vokse. Fem år etter oppstarten er bare 30 pst. av bedriftene fortsatt aktive. Dette er bakgrunnen for som har fire hovedkrav til myndighetene: mindre firkantet arbeidsliv, smartere skatt, enklere hverdag og smartere samhandling mellom det offentlige og næringslivet. Kristelig Folkeparti mener regjeringen bør bedre vilkårene for småbedriftene, slik at verdiskaping, arbeidsplasser og velferd sikres i fremtiden. Det er nødvendig å stimulere flere bedrifter til å bli lærebedrifter. Støtten til opplæringskontorene og lærebedriftene må økes, slik at mindre bedrifter enklere kan engasjere flere lærlinger. Det gjør det lettere for yngre å komme inn i arbeidslivet, og bedriftene får bedre tilgang på kompetanse. Kristelig Folkeparti mener offentlige innkjøpere bør ta med i betraktningen om bedriftene har lærlinger når de bestemmer hvem som skal få anbudet. Det vil gi bedrifter med lærlinger et konkurransefortrinn. Norge må fremstå som et attraktivt land for investering i nye virksomheter og ha en målrettet politikk for å gi gründere gode vilkår. I tillegg til at risikovillig kapital sikres gjennom det offentlige virkemiddelapparatet, må private investorer som ønsker å investere i nyetableringer, sikres rammevilkår som øker tilgangen på risikokapital. Tre fjerdedeler av norske bedrifter er eid av familier. 40 000 bedrifter står foran generasjonsskifte de neste ti årene her i landet, og undersøkelser fra EU-kommisjonen viser at et vellykket eierskifte i småbedriftene fører til at i snitt fem arbeidsplasser blir videreført. foreslår derfor at betaling av arveavgift utsettes i minst ti år ved generasjonsskifte. Hvis bedriften drives videre, bortfaller en tiendedel av avgiften hvert år. Dersom bedriften drives videre i minst 10 år, betales dermed ingen arveavgift. Dette vil være god næringspolitikk, god samfunnsøkonomi og De fleste eierne av mindre bedrifter jobber i egen virksomhet, og de aller fleste småbedriftene i Norge eies av privatpersoner. Kristelig Folkeparti mener det er særlig uheldig at eierne må betale formuesskatt også når bedriftene går med underskudd, noe som er svært krevende for mindre bedrifter. Det norske markedet for offentlige innkjøp har vokst voldsomt de siste ti årene. Det offentlige bruker hvert år om lag 400 mrd. kr på kjøp av varer og tjenester. Gode offentlige innkjøp gir bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Samarbeid med privat næringsliv har skapt nye og smartere løsninger på flere områder i samfunnet. Erfaringer fra andre land viser at det er realistisk å tro at hele 40 mrd. kr av offentlige innkjøp kan knyttes direkte til innovasjon. Her har de mindre bedriftene store muligheter for å være med og konkurrere om leveransene. Kristelig Folkeparti ber derfor regjeringen sørge for at offentlige innkjøp ned til 100 000 kr blir kunngjort elektronisk. 99 pst. av alle bedriftene i Bedre vilkår for verdiskaping, forenkling, bedre samhandling mellom det offentlige og næringslivet og et enklere arbeidsliv er avgjørende for å øke verdiskapingen. Jeg tar opp forslaget, som ligger i innstillingen. Representanten Rigmor Andersen Eide har tatt opp det forslag hun refererte til. Kristelig Folkepartis representanters forslag om å bedre vilkårene for mindre bedrifter har stort fokus i regjeringa og Senterpartiet og er et viktig tema som må debatteres kontinuerlig. Den internasjonale finanskrisen som nå går over i sin neste fase, nemlig statsgjeldkrisen, gjør at vi må ha enda sterkere fokus på stimulans av småbedrifter framover, fordi konkurransesituasjonen og arbeidsledighetsspørsmålet blir mer